finansieringsrammen for prosjektet er på 5,2 mrd. kr. Klokskapen ved å bygge dyrt, med dyrt vedlikehold, er det grunn til å sette spørsmålstegn ved. Jeg minner om etterslepet på både riksveinett og fylkesveinett. Jeg utfordrer også statsråden på økonomisk innestenging. Det er slik at pendlere og faste reisende med de to ferjene vil oppleve Ryfast som en form for økonomisk Ferjene fjernes og alle tvinges til å bruke sambandet. Mange får lengre transportvei, og mange får dyrere transport. Er dette en distriktsvennlig, næringsvennlig og miljøvennlig løsning? Det er faktisk første gang jeg iallfall kan huske at Fremskrittspartiet går imot å bygge veier i dette landet. Det syns jeg faktisk er verdt å merke seg. Begrunnelsen er altså en på svært mange prosjekt som passerer denne salen. Blant annet har vi det på en ubåt som mange av oss vil fjerne på grunn av forurensningsfaren. Der er partiets syn det stikk motsatte. Så jeg skjønner ikke helt dette, men vi får kanskje avklart det i løpet av debatten. Jeg har lyst til å si at i denne saken statsråden imponert meg litt – jeg hang på «litt». Hun har stått i en storm som har vært ganske formidabel. Jeg syns også saksordføreren har gjort en glimrende jobb i denne saken og forsøkt å binde komiteen sammen om dette prosjektet. Vi snakker om et av Norges største veiprosjekt. Det er faktisk et prosjekt som man lokalt så gjerne vil ha at man finansierer det 100 pst., både med brukerbetaling og med tilskudd. Det er intet mindre enn imponerende. Da skulle det bare mange at ikke vi her skulle si ja til prosjektet. Forutsetningene for prosjektet og hva det inneholdt, redegjorde jo saksordføreren utmerket for, men det er klart at Eiganestunnelen og som den heter i våre dokumenter – jeg syns det hadde vært flottere om den hadde hett Ryfylketunnelen – hører jo på mange måter sammen. Det ene er avhengig av det andre. Det er også slik at vi behandlet forbedringen i Nord-Jærenpakken for ikke så lenge siden. Da lå også dette som en del av forutsetningene. Alle store prosjekt har sine motstandere og er preget av at forskjellige geografiske interesser kommer til uttrykk. Slik er det også her. Fra Høyres side må jeg få si at vi i saker som dette som prinsipp følger de vedtak som ligger som flertallsvedtak i fylkeskommunen, også når det gjelder ønsket bompengeløsning. Så har det vært sagt at det blir store finansieringskostnader her. Ja, med de pessimistiske forutsetningene man forsøker å ta høyde for i saken, så gjør det det. Det er snakk om nesten halvparten av kostnaden. Men jeg tror faktisk at i det markedet vi ser i dag, er det mulig å løse dette gunstigere. Jeg har lyst til å si at det er ett eller annet med måten vi finansierer bompenger på i dette landet, som vi kanskje bør med litt nye øyne på. Det er jo slik at fylkeskommunene garanterer for riksveiprosjekt og stiller hele sin risikovilje til disposisjon. Her er også Stavanger kommune inne. Kanskje burde vi se mer i retning av – som mange andre land gjør – at man har et statlig garantiinstitutt for slike ting. Vi har det for en rekke andre ting i samfunnet vårt. Vi har sågar rentekompensasjonsordning på fylkesveier, vi har rentefrie lån på skolebygg, osv. Så det er mange løsninger som vi kunne se nærmere på, men det får vi kanskje komme nærmere inn på i forbindelse med NTP. Men jeg tror vi har et stort potensial for å forbedre oss med hensyn til å gjøre akkurat den biten

med referanse til det som har vært tatt opp de siste dagene i mediene. Til slutt: Vi er opptatt av – som også flertallet i komiteen – at ulempen ved at Lauvik–Oanes legges ned, bør man, sammen med fylkeskommunen, forsøke å avhjelpe.

si. Det gjeld jo òg statsråden, som no har ein god dag. Gratulerer til dykk. Eg var 17. mai-talar på Forsand. Der er nok ikkje flagga heist like høgt som på Hjelmeland og på delar av Strand – og heller ikkje på Jørpeland. Der får ein no ei løysing som eigentleg var bestilt av næringslivet i Stavanger, som ville ha biltrafikken inn til byen for 20 år sidan. Ein klarte å samla veldig mange parti bak det, og så blei det den løysinga. Eg trur det er veldig rett, det som ein veldig mange parti bak det, og så blei det den løysinga. Eg trur det er veldig rett, det som ein har gjort: Ein har funne ei løysing, og så har ein klart å halda troppane samla bak denne løysinga. Då får ein det til. Det er ei erfaring. Det er ei erfaring som eg òg håpar Nord-Jæren lærer av når det gjeld korleis ein skal få til ein bybane på Nord-Jæren. Der er det jo sånn at næringsforeininga og andre sterke krefter, inklusive Arbeidarpartiet, har gått vekk frå den ideen og forsøkjer å få fram noko mindre, moderne løysingar. Dermed får ein gjerne ikkje noka løysing som er særleg god, fordi ein er splitta. Det burde ein ikkje vera. Det burde Ryfast-saka ha vist: Det er den måten ein må jobba på, dersom ein skal få det til. SV er det einaste partiet som konsekvent har vore imot dette i Strand kommune og i andre kommunar i Ryfylke, òg i Stavanger og på fylkessida. Òg her, sentralt, har me vore imot. Me forsøkte ei stund å få bevegelse i Rogaland fylkesting, i desember i fjor. Det var ikkje mogleg. Samhaldet var sterkt bak dette prosjektet. Det betydde at eg for min del innsåg at slaget om Ryfast var tapt allereie då, i stilt mange vanskelege spørsmål til statsråden knytt opp mot dette prosjektet, så eg tippar ho kan svara på absolutt alle spørsmål ho no kan risikera å få, for det har ho iallfall gjort til meg. SV si løysing var eigentlig ein ferje–bru-konstellasjon – altså nye ferjer på Tau-sambandet. Det som har skjedd på Tau-sambandet over lang tid, er at det har vore gammalt ferjemateriell som av og til går, og som av og til ikkje går. Sjølvsagt hissar dei mange pendlarane – over tusen – seg opp over dette kvar gong, og så klarar ein sjølvsagt å mobilisera når ein treng eit alternativ som ikkje er ferja. Dersom ein hadde gjort det som no skjer, nemleg at det kjem nokre nye ferjer, men at dei hadde kome tidlegare og gjerne òg hadde gått frå Siriskjær til Solbakk, der tunnelen kjem opp, trur eg motstanden mot Ryfast ville vore større. Det er han ikkje no,

etter at ein har hatt forhandlingar, og etter at fleirtalet lokalt er som det er, men fordi ein på ein måte er laten i stikken med omsyn til at dei hadde ein tunnel, Espedal–Frafjord, som låg inne i pakken for Ryfylke ei stund, men så blei han teken ut, fordi det ville redusera inntekta til Ryfast. Det meiner eg at ein på eit eller anna tidspunkt må retta opp, og så må ein sjå på moglege løysingar etter kvart, sånn at ein slepp å få ein må ein sjå på moglege løysingar etter kvart, sånn at ein slepp å få ein slags molbotrafikk, der ein må køyra svære omvegar for å koma til Sandnes. Det hadde ein sloppe dersom ein hadde hatt eit Høgsfjord-samband eller ei Høgsfjord-bru. Men sånn blir det ikkje no. Eg er veldig glad for dei signala som eit fleirtal kjem med knytte til Bybrua. Dersom det blir for

representanten Langeland, tverrpolitisk einigheit i Rogaland. Det har vore ein lang prosess i fylkestinget, i fylkeskommunen og i kommunane rundt. Det er derfor litt underleg i dag å sjå at det er SV som stemmer for i Stortinget, men Framstegspartiet som går imot. Representantane frå Framstegspartiet lokalt har i denne samanhengen vore

Regionen har prioritert dette. Det har vore ein brei prosess i fylket, og kommunane har støtta det. Då er det litt forunderleg å lesa i avisene at prosjektet har snike i køen – eit prosjekt som ein har jobba for i nærare 40 år, der 92 pst. er bompengefinansiering og resten er regionale midlar. Og var det ei sniking i køen i denne delen av landet, burde ferjemateriellet og rv. 13 elles vore av ein betre kvalitet. Ryfast er eit prosjekt som krev politikarar med mot og vilje til å kjempa fram denne typen samferdselsprosjekt. Heldigvis har me ein slik samferdselsminister. Framstegspartiet har i sine merknader sagt noko om at dei ønskjer å prioritera Rogfast framfor Ryfast. I denne samanhengen er det ikkje snakk om anten–eller, men det vil vera snakk om både–og. Det blir vidare vist til innbyggjartalet og fordeling av kostnader på innbyggjarane, eit innbyggjartal som dessutan var feil referert. Men uansett er det eit prosjekt for heile Rogaland, og det går an å køyra begge vegar i desse

tidlegare i debatten òg sagt at det er eit minus for Forsand. Ja, det er eit minus. Det vil alltid vera slik at nokre får lengre veg når andre får det betre. Derfor er me svært glade for det som komiteen har teke opp, både når det gjeld eventuell justering av bompengane ved Solbakktunnelen, og når det gjeld restriksjonar på og busstilbod til Forsand. Alt det er viktige ting som er tekne med. Som sagt har Framstegspartiet støtta dette lokalt. Eg kan ikkje forstå det annleis enn at dei lokalt her er blitt dolka i ryggen av sine folk sentralt. Me høyrer òg stadig at det skulle ha vore ei ny regjering. Det høyrer me ofte i denne salen. Ei ny regjering vil vera avhengig av eit fleirtal me ofte i denne salen. Ei ny regjering vil vera avhengig av eit fleirtal med Framstegspartiet. Det vil seia at ei slik regjering ville ikkje ha fremma denne saka. Det hadde ikkje vore fleirtal. Parallellen til dette ser me i Rogaland, der Framstegspartiet, Høgre og Kristeleg Folkeparti styrer i lag, og der viktige samferdselsprosjekt ikkje vil nå fram – no sist i Transportplan Nord-Jæren. Det vi gjer

vil auke. Ryfastprosjektet vil ha stor betyding for heile Rogaland. Det blir tettare samanknyting av regionen, og det er ein føresetnad for prosjektet at E39 Eiganestunnelen blir realisert. Denne tunnelen vil vere bra for byutviklinga i Stavanger og òg for områda rundt. Tunnelbygginga er unik

Det er samtidig viktig å merke seg Forsand kommune sine innvendingar. Forsand kommune ønskjer framleis ferjedrift over Høgsfjorden, og eg vil be departementet sjå spesielt på dette og om det her kan finnast løysingar. Det gjeld da Lauvvik–Oanes, som òg representanten Halleraker var inne på. Vi veit òg at tunnelen Espedal–Frafjord låg inne i prosjekttenkinga

mot eit prosjekt som Framstegspartiet i Rogaland har støtta, og som dei òg har vore med på å vedta skal finansierast med bompengar. Når representanten Sortevik seier at dette var eit omdiskutert prosjekt, så stemmer jo det. Men det er ikkje finansieringa i seg sjølv som har vore omdiskutert i regionen – nei, det har vore dei ulike

Høgre og Kristeleg Folkeparti samarbeider. Der er det jo ei brei politisk einigheit om denne saka! Det viser nettopp at dette er ei god sak, og det er ei viktig sak for regionen. Det som Kristeleg Folkeparti og Høgre har peikt på, er at dette prosjektet kunne ha vore eit utmerkt OPS-prosjekt. Da ville me òg fått meir føreseielege framtidige kostnader og ein betre garanti når det gjeld vedlikehald i åra som kjem. Så Kristeleg Folkeparti sluttar seg til prosjektet, men me er opptekne av situasjonen for Forsand og utfordrar departementet til å sjå på den spesielt. Ja, det er

som har levd med den tvangstrøya det er alltid å måtte halda seg til ferjeruta, vil forstå for ein lette dette vil vera. Ryfast blir hevda å vera eit spektakulært prosjekt. Det er eg einig i, om vi med «spektakulært» meiner noko positivt banebrytande. Ryfast, slik det no ligg, har vore det føretrekte alternativet for kryssing av fjorden for areal og transport i Ryfylke vart godkjend av Miljøverndepartementet i 2002. I arbeidet med denne fylkesdelplanen vart seks ulike forslag vurderte. Av alle desse forslaga og ulike variantar av dei vart Ryfast, ut frå ei samla vurdering, valt som det beste alternativet. Fleirtalet i komiteen – alle utanom Framstegspartiet sine representantar – har så vidt eg kan sjå, ikkje kritiske kommentarar til det forslaget som regjeringa har lagt fram. Eg har likevel merka meg at dei er opptekne av trafikksituasjonen mellom Hundvåg og Stavanger sentrum. Dei føreset at Bybrua blir reservert for kollektivtrafikk, dersom trafikklekkasjen frå Hundvågtunnelen til Bybrua blir for stor. Framstegspartiet ynskjer derimot ikkje at skal få starta arbeidet med å binda Ryfylke og Nord-Jæren tettare saman. Dei vil ta omkamp på avgjerder som vart fatta for ti år sidan. Den eksterne kvalitetssikringa som er gjord av Ryfast, omfattar i tillegg til ein ordinær KS2 òg trafikkgrunnlag, bompengeinntekter og element frå KS1, nemleg ei samfunnsøkonomisk vurdering. Samferdselsdepartementet har på ordinær måte vurdert dei tilrådingane som den som den eksterne kvalitetssikraren har presentert. Nokre er vurderte til å vera fornuftige å ta omsyn til, andre er ikkje følgde like mykje opp. Dette er etter mi vurdering òg den måten ei slik ekstern kvalitetssikring skal fungera på. I denne saka har det vore mange gode diskusjonar, som har gjort at både vegetaten og eksterne konsulentar har vore nøydde til å gå igjennom tala og metodane sine fleire gonger. Det er ikkje og kan heller ikkje vera – slik at eitt fagmiljø sit med fasiten åleine. Det er tvert om i brytinga mellom ulike synspunkt og vurderingar – når alle må skjerpa seg fordi dei møter faglege motargument – at dei gode og opplyste avgjerdene kan fattast. På bakgrunn av dei grundige vurderingane vi var igjennom, konkluderte vi med å følgja Statens vegvesen sine tilrådingar om trafikktal og bompengeinntekter. Samtidig blir konsulenten si styringsramme lagd til grunn. Ho er noko lågare enn overslaget frå Statens vegvesen. Framstegspartiet gjer eit nummer av at det er søkt om fråvik frå kravet om maksimal stigning i Solbakktunnelen, opp til 8 pst. stigning. Lat meg sitera kva

pst. Så føreslår Høgre og Kristeleg Folkeparti at Ryfast vil eigna seg som eit OPS-prosjekt. Lat meg berre seia til det: I Ryfast er byggjetida i stor grad bestemt av den tida det tek å sprengja dei aktuelle hola under fjorden. Det er vanskeleg å sjå føre seg at eit OPS-selskap vil kunna korta ned på dette. Til slutt: Det er med stor glede eg registrerer det breie fleirtalet som no seier ja til ei ny tid for både Ryfylke og Nord-Jæren – og Rogaland. Det blir adgang til replikkordskifte. Når et prosjekt som dette kommer til

så klart tilsidesetter den usedvanlig klare frarådingen, den usedvanlig klare konklusjonen, i kvalitetssikringsrapporten som er knyttet til dette prosjektet. Jeg vil be statsråden svare på hvor mange av de øvrige bompengeprosjektene som i denne periode har vært fremmet. Vi er tre år inne i denne perioden, det har vært opp mot 20 prosjekt, vi skal også ha et senere i dag. Hvor mange har en KS2-rapport som klart gjennomføring av prosjektet? Då vil eg begynna med å understreka at det er svært sjeldan at trafikktala er så grundig analyserte over så mange år som i dette tilfellet. Her er det altså trafikktal og bompengeinntekter som er Her er det altså trafikktal og bompengeinntekter som er hovudinnvendinga frå kvalitetssikraren. Statens vegvesen har over fleire år føreteke tolv analysar for å gjera dette så grundig som mogleg med omsyn til trafikktala. Så kjem ekstern kvalitetssikrar med den trettande – ein ekstern kvalitetssikrar som ikkje tek omsyn til

konkurranse i akkurat det arbeidet, noe som resulterte i åtte måneders kortere byggetid. Det var finansiering jeg ville spørre om, jeg nevnte det i mitt innlegg. Kan statsråden være med på å se på mulige rentekompensasjonsordninger eller garantiordninger for riksveiprosjekter også, slik at vi kan avlaste de voldsomt store som de enkelte prosjekter – og da fylkeskommunene – må garantere for? Lat meg aller fyrst seia at det er nydeleg no å registrera at det er fleire prosjekt som den seinare tida er bygde like raskt, og som har halde seg innanfor kostnadsramma. Hovudpoenget er at prosjekt blir betalte, og at regjeringa har tilført pengar. Vi såg det no med Sky–Langangen, og vi såg det nyleg med Dal–Minnesund på E6. Så til spørsmålet. Det eg skal lova representanten Øyvind Halleraker, er at vi skal føreta ei brei vurdering av ulike måtar å organisera og finansiera infrastruktur på. Det vil bli gjort i samband med neste Nasjonal transportplan, så han kan sjå fram til ei god drøfting av ulike sider ved dei tema. Som eg sa i innlegget mitt, er det altså kome fram informasjon om at det vil koste opp mot 130 mill. kr i året det vil koste opp mot 130 mill. kr i året å vedlikehalde dei to undersjøiske tunnelane som inngår i Ryfast. I løpet av bompengeperioden på 20 år blir dette altså 2,6 mrd. kr. Spørsmålet mitt til statsråden er: Kvifor har ikkje denne informasjonen kome fram? Vi veit at i proposisjonen er det vedtaket om utbygging og finansieringa som er grunnlaget for proposisjonen. Men er det ikkje òg relevant informasjon for Stortinget å få med seg kva det vil koste å halde ved like dette arbeidet? Når vi veit at dette har vore eit tema rundt eit OPS-prosjekt, veit me at nettopp vedlikehaldskostnaden er noko me diskuterer når me òg diskuterer OPS-prosjekt. Vi har følgt vanleg praksis når det gjeld det som blir omtala i proposisjonen. når me òg diskuterer OPS-prosjekt. Vi har følgt vanleg praksis når det gjeld det som blir omtala i proposisjonen. Vi har òg følgt vanleg praksis når det gjeld KS2-rapporten. Så er det sagt. KS2-rapportane er interne dokument for regjeringa inntil proposisjonen blir lagd fram. Tilbake til vedlikehaldet. Det er vel kjent at undersjøiske tunnelar er dyrare å halda Det er bygt ei rekkje, det kjem til å bli bygt mange fleire. Det kan godt henda at Rogfast blir eit av dei neste store prosjekta. Det er både større og dyrare enn Ryfast. Eg har fått tal i dag som er noko lågare enn dei tala som VG opererte med, men lat meg seia at eg har registrert det spørsmålet, og vi skal vurdera det i

Det er veldig modig av regjeringen å gå inn for å bygge verdens dypeste og verdens lengste undersjøiske tunnel, spesielt tatt i betraktning de utfordringene man har med Oslofjordtunnelen. I Ryfastprosjektet legger man til grunn å bygge en tunnel som er dobbelt så lang, som går dobbelt så dypt, og som er brattere enn Oslofjordtunnelen. Det er jo ikke slik at undersjøiske tunneler er helt problemfrie. Undersjøiske tunneler har kort levetid. De siste årene har man sett at de i hovedsak varer i rundt 15 år. Stigningsforhold på 8 pst. fører til problemer for tungtrafikken og gir økte miljøutslipp. Trafikksikkerheten vil bli dårligere enn i dag. Det er dessverre slik at tunneler blir stengt oftere enn broer og veier. Det ble nevnt av representanten fra SV her tidligere i dag at folk hisser seg opp når ferga ikke går. Da må jeg bare skuffe dem med å si at tunneler vil også bli stengt med jevne mellomrom. Det kommer til å skje ulykker. Lastebiler vil få problemer med bremsene sine, og det er større behov for å foreta inspeksjoner og vedlikehold av tunneler enn ved f.eks. broer. Jeg synes det er synd at jeg må lese VG for å høre om at drifts- og vedlikeholdskostnadene til dette prosjektet er stipulert til 130 mill. kr. Det hadde vært fint om statsråden kunne bekrefte at alle og at beløpet her ikke er gitt som en nedre ramme. Tatt i betraktning alle uforutsette hendelser som skjer i tunneler, vil jeg påstå at dette beløpet kan bli mye høyere. Minst 130 mill. kr årlig kunne altså vært brukt mer fornuftig hvis man hadde gått inn for en broløsning Det er dyrt med tunneler. Man har mange utfordringer med tunneler. Derfor bør regjeringen bli skeptisk til å bygge tunneler der det finnes andre alternativer, og her har man andre alternativer. Jeg har vondt for å forstå prioriteringen til samferdselsministeren. Hvorfor er det så viktig å bygge denne tunnelen for enhver pris? Jeg skal ikke anklage statsråden for å bygge seg kortere reisetid hjem, for det må være lov for en samferdselsminister å bygge vei i sitt eget hjemfylke. Men det overrasker meg at statsråden her har lyst til å gi et politisk signal om at ekstern kvalitetssikring ikke blir hensyntatt, at framkommelighet i byene er viktigere enn sikkerheten for dem som kjører mellom de store byene i dag, og at verdens lengste, dypeste og sikkert farligste tunnel skal bygges selv om det finnes bedre og billigere løsninger. Fremskrittspartiet ser rett og slett ingen gode argumenter for at vi skal gå inn for Ryfastprosjektet, som det ligger nå. nå. Jeg synes det er beklagelig at samferdselsministeren skal ha et så dyrt monument over seg selv i hjemfylket. Dette er en gledens dag. Jeg vil gratulere både Ryfylke, Nord-Jæren og samferdselsministeren med saken som er lagt fram. Debatten om den viser jo at veldig mange ikke har innsikt i og kunnskap om den lange prosessen som har ført fram til dagens vedtak. Mange snakker om alternative fjordkryssinger. Mange av oss som fulgte diskusjonen om muligheten for realisering av alternativet Høgsfjordrøret, vet at det fikk 19 år på seg til å bli Stat, fylke, kommune og private brukte til sammen 60 mill. kr på å prøve å realisere prosjektet. Det hadde statlig garanti, men det gikk altså 19 år uten at noen så noe til det alternativet. Nå har det gått 13 år siden flertallet i Rogaland fylkesting snudde og gikk bort fra Høgsfjordrøret og startet arbeidet med å få realisert Ryfast. Etter 13 år gjør Stortinget et vedtak. Jeg tror ingen kan beskylde Ryfastprosjektet for å ha sneket i køen eller den nåværende samferdselsministeren for å ha tatt noen kjappe svinger når det gjelder dette prosjektet. Det har tatt lang tid, men i dag skal vi glede oss over at det blir vedtatt. Det har stor betydning for utviklingen i Ryfylke. Jeg vil ta ett konkret eksempel: Hjelmeland kommune har hatt et innbyggertall siden 1965 og fram til i dag på mellom 2 500 og 3 000 innbyggere – helt stabilt. Det er en kommune som ligger bare noen få mil fra det området i Norge som vokser mest utenom Oslo-området. Kommunen har ikke hatt den samme muligheten til å ha glede av den utviklingen, nettopp på bakgrunn av de samferdselsutfordringene som den kommunen har. Dette vil delvis løses gjennom Ryfastprosjektet. Kommunen har viktig produksjon av oppdrettslaks og -kveite, som på den måten får kortere vei til markedene i Europa. Men prosjektet er også viktig for hele Nord-Jæren, som er et sterkt vekstområde, fordi dette åpner opp for muligheten til utbygging der man ikke tar landets mest produktive matjord i bruk, nemlig den som er på Jæren, men at man kan bygge på områder med stein og dermed skape fantastiske bomiljøer for dette vekstområdet. Ved dermed å løse noen av vekstutfordringene på Nord-Jæren er ikke dette prosjektet bare viktig for Ryfylke, ikke bare viktig for Nord-Jæren, men et prosjekt som er viktig for hele Norge. Nå blir Ryfast vedtatt i dag. Neste steg blir å bygge Rogfast. Det er viktig å ha løst dette med Ryfast først før man starter med Rogfast. Med det siste innlegget fra Fremskrittspartiet om tunneler, begynner jeg å lure på hva partiet kommer til å mene om Rogfast. Ryfast er Ryfast er et viktig prosjekt, og det er en viktig veiforbindelse. Den er viktig for å løse trafikale utfordringer i Stavanger, og den er viktig for å få en veiløsning for Ryfylke. Den er viktig for næringslivet i Ryfylke, og den er viktig for næringslivet i Stavanger. Den er viktig for å knytte regioner sammen. Derfor har det vært et viktig regionalpolitisk prosjekt. Flere regioner har stått sammen i lang tid for å få realisert dette veiprosjektet, og fylkeskommunen har gitt prosjektet en bunnsolid forankring. For Ryfylke blir Ryfast innfallsporten til Nord-Jæren, og for Stavanger-regionen blir Ryfast innfallsporten til Ryfylke, men også til noe langt mer. I sin tid ble det utarbeidet en stor Ryfylke-pakke. Den besto av flere byggeklosser, der Ryfast er en av disse byggeklossene. I tillegg kan man nevne Finnfast, som binder øya Finnøy sammen med fastlandet og Rennfast, som er én byggekloss. Også T-forbindelsen på Karmøy var en Også T-forbindelsen på Karmøy var en del av denne pakken, en forbindelse som snart er ferdig. En annen byggekloss i pakken er at det er gjort store og viktige strekningsvise tiltak på rv. 13, noe som også må ses i sammenheng med rassikring og tunnel, ikke minst langs Tysdalsvatnet – en viktig byggekloss. Det blir snart startet bygging av Sandsfjord bru, som gjør at nok en fergeforbindelse kan fases ut. Man har allerede startet på tilførselsveiene til denne nok en viktig byggekloss. En siste byggekloss som er klar til realisering, er tunnel mellom Etne og Sauda. Dette vil fullføre Ryfylke-pakken. Til sammen utgjør disse et veinett som binder større regioner sammen, nemlig Ryfylke, Haugalandet og Hardanger. Dette gjør at det blir et indre alternativ, noe som gjør at avstandene fra Ryfylke- og Stavanger-regionen til E134 blir kortere enn dagens alternativ. Dette vil åpne for et helt annet trafikkmønster enn det vi ser i dag. I tillegg må vi se på hva som skjer i Hordaland og Hardanger. Her blir store og viktige veiprosjekter realisert, nemlig Jondalstunnelen og Hardangerfjorden bru. Vi ser at store næringsklynger i det såkalte indre strøk kommer stadig nærmere viktige byregioner som Bergen og Stavanger. Det er helt åpenbart at ytterkanten i et felles bolig- og arbeidsmarked flyttes betydelig lenger inn i landet, med alle de positive ringvirkninger dette gir for næringsliv og bosetting. Viktige næringer som oppdrett og fiskeproduksjon vil få betydelig bedre transportvilkår, for å nevne et eksempel, og pendleravstanden blir kortere. Vi kan ikke eller bør ikke se det enkelte prosjekt isolert eller for seg selv, selv om vi i dag behandler dette ene prosjektet. Summen er viktig for sentrale byer, men det er også viktig for distriktet. Jeg tror det er viktig at vi minner hverandre om at forutsetningen for realiseringen av et enkelt prosjekt er at vi ser helheten, nemlig hele pakken. For dem som hører på NRK Rogaland: I dag kunne man våkne til at Tau-ferje, nr. 3, sto – og det er en veldig vanlig beskjed å få for dem som er avhengig av ferjetrafikk i det er en veldig vanlig beskjed å få for dem som er avhengig av ferjetrafikk i Norge. Det viser den revolusjonen som Ryfast vil bli for et helt Ryfylke, der man nå vil komme landfast til Stavanger-regionen. Jeg satt i fylkestinget i Rogaland for 13 år siden, da man gikk vekk fra alternativ Høgsfjord som ønsker dette. Derfor er det overraskende – Rogaland er delvis styrt av Fremskrittspartiet, med fylkesvaraordføreren – at man nå stemmer imot kanskje det viktigste samferdselsprosjektet i Rogaland før neste NTP, da vi også skal ha på plass Rogfast. Rogfast. Det er jo ikke sånn – om en leser finansieringsplanen – at vi ber staten om penger når vi skal ha store veiprosjekter i Rogaland. Kommunene, fylkeskommunen, næringslivet og bilistene ved bompenger betaler hele pakken selv. Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har garantiansvar for kostnadssprekker. Det er altså ikke sånn at driftskostnader på er noe nytt etter at de er bygd – enten de er over vann eller under vann. Den 12. juni 2012 står fram som en dag med en stor samferdselspolitisk seier til norske ingeniører – med verdens lengste undersjøiske tunnel. En stor takk til samferdselsminister Meltveit Kleppa, som jeg åpenbart vil rose i dag – gratulerer med dagen til henne. Gratulerer med dagen til dem som bor i Ryfylke – kanskje 12. juni blir Ryfylkes nye offisielle flaggdag. Dette er en viktig sak. Stavanger-regionen er kanskje den regionen i Norge i dag med størst press på arealer når det gjelder bolig og næring. Ryfast gjør at jeg skal ikke komme inn på kommunesammenslåing i denne diskusjonen – får nærhet til Nord-Jæren, til Forus, til Stavanger og til Sandnes. Man kan kjøre dit når man vil, ikke når fergene går – og ikke være usikker på det. Det er lokal enighet, og det er en fantastisk mulighet for hele Ryfylke – for reiselivet, for næringslivet og for dem som bosetter seg der.

seg. Det skulle bare mangle at man ikke her samler seg grundig om saken, når man ser det lokale engasjementet i hele regionen, spesielt i Ryfylke-regionen. Det har vært solide flertall, bortsett fra ett kommunestyre som har gått imot, over mange år for dette prosjektet, som er så viktig for regionen Nord-Jæren, for å knytte dette prosjektet, som er så viktig for regionen Nord-Jæren, for å knytte hele dette viktige vekstsenteret sammen på en bedre måte – med et solid boligmarked og arbeidsmarked som kan ses i en sammenheng. Jeg synes vi gjør et spenstig og framtidsrettet vedtak i dag, om vi ser det i dette perspektivet. Formuleringene i innstillingen er veldig gode. Formuleringene i innstillingen viser også hvilken betydning dette har i en region.

og som har gode institusjoner og god industri, men som lengter etter å få en bedre tilknytning og en bedre satsing på infrastrukturen. Jeg må som innbygger i Stavanger si at det er en gledens dag når vi ser denne utviklingen. Eiganestunnelen, utløsning av store boligområder i Hundvåg, osv., knytter disse tingene sammen. Ser man det i en vestlandssammenheng, knyttes de store fylkene mye bedre sammen i framtiden – Rogaland med sine 450 000 innbyggere og Hordaland med nesten 500 000 innbyggere. Dette blir en formidabel flott og stor vestlandsregion som en må se i en helhet her. Til slutt vil jeg si at jeg er noe forundret over at Fremskrittspartiet nå går imot prosjektet. De sa tidligere gjentatte ganger at dette var et godt prosjekt. Tillat meg å sitere Ketil Solvik-Olsen i Aftenbladet, der han sier: «Når verden ser ut som den gjør, vil jeg heller ha Ryfast enn ingenting.» Bedre kunne det ikke vært sagt, men i dag går han imot. Tredje vår må nå avsluttes med et solid vedtak på Stortinget. Dette er en stor dag. Det er en merkedag for Ryfylke, og

så kan man gå inn for det lokalt, går en imot det her. Det er skuffende. Når innbyggerne selv, kommunene og næringslivet vil ha det og vil ta regningen, så skal de ikke få det. Jeg er glad for at dette prosjektet har stort flertall i denne salen og blir vedtatt i dag. Etter å ha hørt på foregående taler

pst. er det fylkeskommunene og to kommuner som skal betale, 92 pst. er det bilistene som skal betale. Bilistene skal altså betale 4,8 mrd. kr for å få bygd en vei som det koster 5,2 mrd. kr å bygge, og så skal vi betale 4,7 mrd. kr bare i renteutgifter og 400 mill. kr på toppen av det. Så står alle her og sier at dette er kjempebra nesten hallelujastemning. Når statsråden i stad ikke ville svare på Arne Sorteviks spørsmål, har jeg lyst til å stille det en gang til. Arne Sortevik stilte følgende spørsmål: «Jeg vil be statsråden svare på hvor mange av de øvrige bompengeprosjektene som i denne periode har vært fremmet, har en KS2-rapport som klart fraråder gjennomføring av prosjektet?» Jeg håper at statsråden kan svare på det. prosjektet?» Jeg håper at statsråden kan svare på det. Jeg synes det er viktig å ha med seg, for Fremskrittspartiet har vært positive, men vi har også sagt at vi ønsker å se konsekvensene av KS2-rapporten når den kommer. Blant annet i innstillingen til Nasjonal transportplan var vi veldig tydelige på at vi ville se det. Det har vi nå også fått, med en konklusjon som sier at dette må vi ikke finne på å gå for. Jeg håper jeg tar feil, men jeg er redd for at jeg om noen år kan si: Hva var det jeg sa? Jeg håper det ikke blir tilfellet. Jeg har lyst til å si hva representanten Knut Arild Hareide sa til VG i går. Det endte som et lite pip fra talerstolen i dag, men i går sa han at det er svært kritikkverdig at informasjonen om de 130 mrd. kr i vedlikeholdskostnader ikke var lagt fram for Stortinget. Representanten Øyvind Halleraker fra Høyre var også veldig tydelig i VG i går om at Meltveit Kleppa gjør det som Kjell Opseth gjorde i tidligere tider, men jeg har ikke hørt det i debatten i dag. Jeg skjønner at det kanskje er fordi man nå skal prøve å bare framstille dette som et hallelujaprosjekt. Jeg tror ikke det er det. Jeg tror man kommer tilbake om noen år og sier at dessverre, dette var et dårlig alternativ. Fremskrittspartiet er, som vi sier i innstillingen, og som vi har sagt hele tiden, ikke imot å få på plass en fastlandsforbindelse, men vi mener at man må finne et bedre alternativ. Med en KS2 som så til de grader sier at dette bør man ikke gå for, mener vi at vi som et ansvarlig veiparti som er opptatt av å bygge mer vei, må lytte til det. Det er altså den siste rapporten som klart og tydelig anbefaler

og jeg vil ta sterkt avstand fra det. Å få innlegg fra Nordtun i denne saken blir litt meningsløst. At enkelte her ønsker å få kortere vei til hytta, forstår jeg veldig godt, men at en avsporer debatten på denne måten, er meningsløst. Vi ønsker ferjefri tilkobling. Det vil øke boligmarkedet, og det vil øke jobbmarkedet. Det er positivt for Nord-Jæren av så mange ulike grunner. men at en avsporer debatten på denne måten, er meningsløst. Vi ønsker ferjefri tilkobling. Det vil øke boligmarkedet, og det vil øke jobbmarkedet. Det er positivt for Nord-Jæren av så mange ulike grunner. Det er denne konkrete løsningen her vi er skeptisk til, rett og slett fordi Stortinget gjennom mange tiår har sett at mange veiprosjekter har blitt betydelig dyrere eller mer utrygge enn det en la til grunn. Derfor innførte en en ordning med kvalitetssikring av prosjekter. Når denne kvalitetssikringen så skal en likevel ikke bry seg! Hva er da poenget med KS2-runden? Da kan en like godt fjerne den. Hvis regjeringen hadde gått en runde til og besvart innsigelsene fra fagfolkene på en skikkelig måte, hadde Fremskrittspartiet sagt greit, vi gjør det, for vi ønsker dette. Men når advarslene ikke ble besvart skikkelig, vil vi ikke ta risikoen ved å sette i gang et prosjekt som skal koste bilistene 10 mrd. kr i bompenger, for så plutselig å si: Oi, det var ikke tett likevel. Har vi ikke lært noe av Gardemobane-utbyggingen? Det er slike ting vi ønsker å unngå. Vi vet også at frykten er at hvis en får gjennomført kravet om økt kollektivandel, kan det redusere bompengeinntektene fra bilistene såpass mye at økonomien her ikke vil henge sammen som forutsatt.

Jeg har lyst til å starte med å gratulere Ryfylke og Rogaland med dagen. Det er en god dag! Vi skal senere i dag i denne salen gjøre vedtak i en sak som jeg også gleder meg mye til, saken om Hålogalandsbrua, som kommer i nordenden av mitt fylke. I går gjorde vi vedtak som gjaldt en veistrekning i Valdres, der de også trenger det. Det har vært mange gode prosjekter. Uken før var det Tresfjord i Møre og Romsdal. På løpende

Det vil nettopp bygge landet tettere sammen og gjøre at det tunge næringslivet man har der, får mulighet til å utnytte ferdselsårene på en mye bedre måte. Og det vil innebære en helt ny tid for pendlerne, som bruker mye tid på nettopp å pendle. Når det er et så stort prosjekt og en så stor oppslutning om bompengefinansiering og lokale bidrag, sier det at her vil man noe, her ønsker man lokalt. så stor oppslutning om bompengefinansiering og lokale bidrag, sier det at her vil man noe, her ønsker man lokalt. Jeg har i likhet med mange andre mottatt mailer fra ulike hold, som har vært skeptiske. Samtidig er det en stor andel mennesker som vil ha dette, og som mener at det er godt. Jeg synes det er spesielt at Fremskrittspartiet går imot dette prosjektet, når de lokalt har vært for. Jeg synes også det er litt spesielt at man vil sende dette ut på en ny ørkenvandring, med nye konseptvalgutredninger og som tar tid. Vi har i hvert fall ikke i en del andre saker sett at det var momentet – man ønsket å gå raskt i gang med aktiviteten. Til slutt: Jeg er glad for at det er et stort og solid flertall i denne salen som går inn for Ryfastprosjektet. Nå blir det bygging – det er bare å glede seg til det!

siden ble omtalt som «Høgsfjordrøret» – som Bent Høie var inne på – som ble skrinlagt. Fylkestinget gikk inn for et annet alternativ, nettopp fordi man hadde brukt mye penger på det. Man fant ut at det ikke lot seg realisere, dvs. man tok ikke sjansen på å realisere det. Alternativet her er antakelig ikke noen bro. Alternativet er fortsatt i veldig mange år, kanskje i uoverskuelig framtid, hvis man ikke vil bygge tunnel. Da er det viktig å huske på at også ferjer har en betydelig investeringskostnad i dag. De har også store driftsomkostninger. Så man må sammenligne med det som er alternativet, og ikke med et nullalternativ, det at det ikke skal være noe der i det hele tatt. Det syns jeg er en viktig dimensjon å ha med seg. Så man må sammenligne med det som er alternativet, og ikke med et nullalternativ, det at det ikke skal være noe der i det hele tatt. Det syns jeg er en viktig dimensjon å ha med seg. Som jeg pleier å si i alle bompengesaker som vi behandler: Stortinget tar stilling til prosjektene gjennom Nasjonal transportplan og til dem vi får fremlagt i de årlige budsjetter. I denne saken gir vi tilslutning til at det skal kreves inn bompenger, og at et selskap skal få gjøre det. Det er vårt mandat i dag, og underlig at jeg ikke sier det samme fra denne talerstolen som jeg har sagt til en herværende riksavis. La det være sagt: Reportasjen i den riksavisen skal jeg la ligge, men sammenligningen jeg trakk fram i intervjuet med journalisten, er falt bort i artikkelen, og da ble det litt meningsløst. Jeg refererte nemlig til et prosjekt i mitt hjemfylke som er minst like gammelt som dette, men som altså ikke har kommet fram ennå. Da blir det kanskje litt mer mening i det jeg sa. Så til de høye finansieringskostnadene som Solvik-Olsen var innom. Det er jo «worst case»-renten, som man sjekker at prosjektet tåler. Alle vet at med fylkeskommunal garanti ligger renten i dag kanskje så mye som to prosentpoeng lavere – og kanskje mer enn det. Da vil bildet se ganske annerledes ut. Dette dreier seg ikke om ikke å ville, for det er ingen tvil om at man trenger en forbindelse mellom Ryfylke, Sandnes, Stavanger og Jæren. Det vil fremme næringsliv, vekst og bosetting, så det er ingen tvil om at dette er et veldig viktig prosjekt. Det er heller ingen tvil om at det er et av våre største veiprosjekt. Da kan man jo undres over at man – når dette er et av våre største og viktigste veiprosjekt at man – når dette er et av våre største og viktigste veiprosjekt – faktisk ikke hører på sin egen kvalitetssikring av prosjektet. Vi opplever at statsråden står og smiler av spørsmålet om hvorfor man ikke følger opp den kvalitetssikringsrapporten som ligger på bordet. Vi opplever også at store deler av vedlikeholdet av tunnelen er borte fra hele meldingen. Når vi vet at en forsiktig prognose tilsier at vi på 20 år vil ha et vedlikehold på i hvert fall 2,5 – kanskje 3 – mrd. kr, er det penger vi snakker om. Det er ikke småmynter i lomma. Det Fremskrittspartiet ønsker, er faktisk å ha et føre-var-prinsipp. Vi har mye å lære av av mange prosjekter i Norge når det gjelder veiutbygging. Oslofjordtunnelen er et godt eksempel – det er vel nær sagt knapt et døgn uten at det er en bil som har et stort problem der. Ja, prosjektet er viktig og bør gjennomføres, men ikke med den løsningen som foreligger i dag. Det er forunderlig å se at man i dette tilfellet kan fravike fra veinormene, men hvis man fra veinormene, men hvis man begynner å snakke om sikkerhet på andre utbygginger, er det faktisk den eksisterende ÅDT-en man skal forholde seg til. Jeg må også si at jeg opplever det som litt sært når representanten Halleraker begynner å sammenligne

Det har av og til slått meg når eg har hørt representanten Bård Hoksrud frå denne talarstolen, at han trur det er ein samanheng mellom det volumet ein bruker på stemma, og kor sterkt ein meiner det ein seier. Det er noko forunderleg når han seier at han opplever at eg ikkje tok opp det eg tok opp – det eg òg sa til Verdens Gang. Eg tok opp den saka spesifikt i mitt innlegg! tok opp den saka spesifikt i mitt innlegg! Eg stilte spørsmål ved vedlikehaldskostnadene, og eg utfordra statsråden til å gi eit spesifikt svar. I hennar innlegg kom det ikkje noko svar, derfor valde eg å ta opp saka på nytt under replikkvekslinga. Eg synest eg fekk eit godt svar frå statsråden, for statsråden sa ho ville vurdere å ta dette med i nye proposisjonar. Det opplever eg er så nær ei innrømming ein statsråd kan gå, og det viser at det er eit viktig substanspoeng. Det er viktigare for meg å fremje det substansielle framfor å heve stemma mi. Men det kan nok vere at Framstegspartiet har behov for ein viss avleiingsmanøver i denne saka, for eg hørte representanten Ketil Solvik-Olsen seie at det er ingen grunn til å så tvil om Framstegspartiets engasjement for Ryfast. Det er ikkje vi andre representantane som sår tvil om det, det greier Framstegspartiet utmerkt godt sjølv i dag. Det hørte me i det første innlegget frå representanten Sortevik, og det hørte me frå representanten Haugland, som sa at det er ingen gode grunnar til å gå for slik det ligg i dag. Det er altså ikkje slik at det er det store fleirtalet som lyfter opp dette, det er faktisk Framstegspartiet som sår tvil om sitt eige engasjement i denne saka i dag. Det synest eg er spesielt, når me for ein gongs skuld får eit bompengeprosjekt som Framstegspartiet lokalt har gått inn for. Rogaland Framstegsparti har, saman med dei andre sagt at dette er eit så viktig prosjekt at dei til og med kan akseptere bompengefinansiering. Og det er ikkje kva bompengeprosjekt som helst, det er altså det bompengeprosjektet der den statlege delen faktisk er null. Det viser i seg sjølv kor godt dette prosjektet er.
neste taler representanten Ketil

statsbudsjettet. Det er en praksis til og med Høyre har sagt at vi bør bruke på enkelte områder, f.eks. når det gjelder å bygge lyntog. Representanten Halleraker var ute i Stavanger Aftenblad for et par år siden og sa at lyntog var så viktig at det måtte vi ta ekstraordinært, utenfor statsbudsjettet. Så får vi denne saken som har en kjempenytteverdi, og da snakker representanten Kambe og alle de andre representantene veldig varmt om bompenger – dette er så viktig at her må vi ha bompenger. Vi har en økonomisk politikk i Norge i dag, der vi synes det er kjempeviktig at staten og dermed våre barn og barnebarn skal arve et flyselskap som heter SAS, som har tapt penger de siste fire årene. Det er likevel ikke så viktig å bygge veier at vi er villig til å bruke oljepengene på å bygge de veiene som våre barn og barnebarn skal arve. I stedet for skal vi kanskje i beste fall, sier representanten Halleraker, lånefinansiere dette prosjektet til bare 6,5 pst. rente. Det er fortsatt to og en halv gang dyrere for bilistene i lånerente enn det vi låner ut våre oljepenger til for at Tyskland skal få lov til å bygge veier. Jeg synes det er en fullstendig meningsløs bruk av vårt handlingsrom i dette landet. Det er fullstendig meningsløst at vi låner ut våre penger, og låner penger inn igjen – to og en halv gang dyrere enn vi lånte dem ut. Men det er det norske bilister må møte. E6, over Kolomoen, er veien som Sigbjørn Johnsen kjører når han skal hjem fra Oslo hver dag, og den er lånefinansiert til 6,5 pst. rente. 6,5 er ikke bare et tenkt tall – det er faktisk realiteten mange steder. La det fortsatt ikke være noen tvil om at Ryfastprosjektet er noe som Fremskrittspartiet i utgangspunktet ønsker veldig sterkt. Det er ikke Fremskrittspartiet som har drevet valgkamp i Rogaland på at det er fælt å kjøre i tunneler – det er det folk fra de rød-grønne partiene som har gjort, f.eks. Hallgeir H. Langeland. Vi aksepterer en tunnelløsning, selv om enkelte ønsker andre løsninger. Det vi er skeptiske til, er nettopp en del av de løsningene som kommer fram i KS2-rapporten. At de andre partiene ikke vektlegger den i det hele tatt i denne debatten, synes jeg egentlig er skremmende. En har plutselig begynt å konkurrere med Fremskrittspartiet om å være så for vei at en ikke bryr seg om kvalitetssikringen engang. Det er nesten så en skulle tro at klimaforliket i går – der en ønsket 50 000 flere biler inn i bymiljøene fordi alle elbilene skal ha fritak og ingen bompenger – har påvirket også gangsynet når det gjelder vei. Vi vil ha vei, men de skal være trygge og sikre. Når noen advarer om at et konkret prosjekt ikke er det, bør vi ta en pust i bakken for å gjennomgå rapporten en gang til, og så begynne å bygge. For å gjenta fort Fremskrittspartiets forslag: Vi foreslår ikke å bygge, til, og så begynne å bygge. For å gjenta fort Fremskrittspartiets forslag: Vi foreslår ikke å bygge, slik saken ligger. Stortinget ber om at det så fort som mulig – jeg understreker det – utarbeides ny KVU med alternative transportløsninger mellom Ryfylke og fastlandet og om trafikale Ny KVU betyr at man ser med nye og friske øyne og tar inn over seg teknologiutvikling. En liten visitt til representanten Halleraker: Ja, i en KVU må også moderne flytebroteknologi vurderes. Jeg vet at det er smertelig for representanten, som ikke liker å få sine yndlingsprosjekter forstyrret av moderne flytebroteknologi, men slik er det nå engang, at det er mulig å gjøre, og det er rimelig å gjøre. Stortinget har et mandat som brukes også i denne saken, om å godkjenne finansiering. Forutsetningen for å utøve mandatet er faktisk at det foreligger et prosjekt som er utredet, opplyst og kontrollert. Her er vi i en situasjon hvor det altså foreligger en KS2-rapport, som konkluderer negativt. La meg ta med at den ble kjent svært sent. Den var klar for konsulentene i desember 2011, men den ble først offentlig på et langt senere tidspunkt – vel i forbindelse med at saken gikk i statsråd. Det i seg selv har ikke vært et tema – det bør det være. Vi skal på annen måte ta opp det. Det å unndra fra offentligheten et så viktig dokument som en kvalitetssikring er, er ikke bra. Det ønsker vi endring på. Det strevde vi med i forrige periode, og vi ønsker fortsatt en endring på det. Jeg har ikke fått noe svar fra statsråden om hvor mange andre store prosjekter som behandles i Stortinget på samme måte som dette, som har negativ KS2-konklusjon. Jeg tror rett og slett det er fordi at det er ingen andre. Dette prosjektet er enestående på mange måter, bl.a. på den uheldige måten at det faktisk har en kvalitetssikringsrapport knyttet til seg som ikke anbefaler prosjektet gjennomført. gjennomført. Det er igjen grunn til å minne om at dette er et regime som er innført for en del år siden i regi av Finansdepartementet. Fremskrittspartiet støtter det regimet helhjertet – vi skal bruke pengene på en ansvarlig måte. Enten det er med statlig finansiering, delvis statlig finansiering eller uten statlig finansiering, skal vi bruke mandatet vårt her med Så var det slutt på tiden min, president. Jeg minner om at jeg har utfordret på ferjedrift. Det bør være mulig å etablere alternativ løsning, alternativ ferje, slik det er gjort i Hordaland, etter at Kvisti bru ble bygd. Eg blir freista til å etter innlegget om flytebruer – er det slik å forstå at Framstegspartiet no vil gå inn for flytebru som alternativ for Rogfast? Elles er det i debatten referert mykje til problema i Oslofjordtunnelen. Eg må få lov til å seia, som ein mann frå Vestlandet, at dessverre blir det altfor mange gonger i denne salen lagt vekt på Oslo sine utfordringar og standardar – som skal gjelda for resten av landet.

to tunnelar, dvs. at er det behov for vedlikehald, vil den eine kunna vera open, og ein vil kunna avvikla trafikken. Det er mykje oftare problem med ferjer på grunn av vindforhold og den type ting. Det er òg peikt på rv. 13, som er ein gjennomfartsveg, gjennomfartsveg, som det vil vera stort behov for å nytta når ein får på plass desse tunnelane. Dersom ein no ser for seg å gå ein ny runde med ein ny KVU, er det jo slik at ein må begynna med blanke ark og teikna på nytt. Så har ein allereie gjort vedtak for ti år der ein har sett for seg korleis utviklinga skal vera. Me har Solbakktunnelen som er ein del av E39, men som òg skal avlasta dette. Det er gjort mykje arbeid i samband med planlegginga av regionen for at samferdselsløysinga skal bli som ho blir no. Derfor vil det vera svært uheldig å starta ei ny ørkenvandring. Ferjer er ikkje

ei bedrift – ei bedrift – som ikkje går inn for Ryfast. Og kvifor det? Det er jo fordi det er svære kostnader i dag knytte til å kryssa fjorden. Det er ikkje slik at det er gratis. Både folk og næringsliv betaler kvar einaste gong dei er ute og reiser. For to vaksne og to barn på Tau-ferja kostar det i dag 221 kroner utan rabatt. For ein lastebil, for ein næringstransport, er det snakk om fleire hundre kroner kvar einaste gong. Det er det som gjer at folk no bokstaveleg talt ser lys i tunnelen. Dei ser moglegheit for å kunna betala mindre enn det ein ferjebillett kostar, og samtidig kunna reisa og farta akkurat når dei vil. Så har eg vorte utfordra på vedlikehaldet. Men lat meg fyrst til kostnader seia: 6,5 pst. er det som vi legg inn. Men den endelege avtalen vart jo gjord mellom bompengeselskapet og Vegdirektoratet, og bompengeselskapa pleier å få til gunstigare avtalar enn 6,5 pst. Det er dei jo langt på veg til å få til i denne saka. Så til har altså høge kostnader knytte til drift og vedlikehald. Det har likevel vorte bygt mange dei siste åra, og det vil òg bli bygd mange dei komande åra. Val av konsept avheng av kva løysing som samla sett gjev den beste løysinga. Det betyr at vedlikehald er med i vurderinga. Så til spørsmålet om KS2. Nei, eg kjenner ingen KS2-rapport som er avvist, men eg veit at det er sjeldan departementet har ingen KS2-rapport som er avvist, men eg veit at det er sjeldan departementet har gått så tungt inn i ein KS2-rapport. Det er nettopp fordi det her er ein annan faginstans, nemleg dei som er sjølve fagmyndigheita når det gjeld veg, Vegdirektoratet, som har heilt andre avvegingar. Men

fåfengt å si til transportkomiteen at det er mange lange kvelder denne uken … Ja, det er helt riktig det, Fremskrittspartiet ønsker ikke å bygge i strandsonen langs hele Mjøsa – det er helt riktig. Det er heller ikke lett å forholde seg til ubåten, da det foreligger rimelig mange utredninger. Dette er et viktig prosjekt, men spørsmålet dreier seg jo om: Er prosjektet så viktig at vi ikke kan være føre var, eller er det slik at det skal gjennomføres for enhver pris? Skal det bli slik at vi skal sitte på Stortinget og avvike ut fra hvilket fylke vi er bosatt i? Er det det som skal bli framtiden vår? Det vil ikke bli veldig objektivt. Men lederen i Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, var veldig fornøyd med at de statlige andelene er null – dette blir et kjempeprosjekt! Ja, de statlige andelene var null. Men andel blir på 92 pst. Av et samlet beløp på 5,2 mrd. kr skal bilistene betale 4,84 mrd. kr. I tillegg skal bilistene betale 4,7 mrd. kr i meromkostninger. Til sammen skal bilistene betale 9,94 mrd. kr – og den statlige andelen er null. Jeg registrerer at lederen i Kristelig Folkeparti er fornøyd med summen som staten bidrar med. Jeg er ikke sikker på om bilistene er like fornøyd. Jeg er

Så hvis det mot formodning skulle bli et annet flertall i september neste år, skal jammen både Hareide, Høie og andre få mye å kjempe med når det gjelder finansiering av veiprosjekter i Norge. Vi har hørt fire–fem innlegg av representanter fra Fremskrittspartiet i dag som har hver sin måte å se finansieringen av dette prosjektet på, og hvordan man skal gjøre det framover. Det er ganske utrolig. Når det gjelder veiprosjekter, står vi her med det aller største prosjektet, økonomisk, man vedtar i Norge, og et parti som hevder at de skal være seriøse på dette området, men som har en lettsindig omgang med hvordan man skal finansiere det. Det skulle vært interessant å være til stede på gruppemøtet til Fremskrittspartiet da de diskuterte saken. Jeg kan nevne hva Per Sandberg sa 2009. Jeg pleier ikke å ha for vane å sitere alt mulig fra Stortingets talerstol, men dette er ikke alt mulig, det er nestlederen i Fremskrittspartiet som sier følgende: «Å bygge vei for framtiden er mulig. Alt det kommer an på er politisk vilje. Og utfordringene man har på transportsiden på Nord-Jæren kan løses ved å bygge bedre veier.» Ja, bedre kunne det heller ikke blitt sagt. Men når man får denne saken til behandling i Stortinget, er ord gjort til noe annet. Man skal høre mye før ørene detter av, er et gammelt, godt uttrykk på Vestlandet. Det som er viktig for oss – vil jeg bare også si – er at Fremskrittspartiet i dag tar fram et privat konsulentselskap som har vurdert økonomien i prosjektet. Ja, det er riktig, det er satt ut, men det er vi som skal ta den suverene avgjørelsen her i Stortinget om hvordan disse vurderingene skal settes opp mot hverandre,

over akkurat den modellen som er for Ryfast. Kunne vi ikke da satt oss ned et par måneder til og fått noen til å etterprøve dette og sett om det er problemer eller ikke? Hvis det ikke er problemer, er Fremskrittspartiet med. Men hvis problemene blir bekreftet, må en ha en annen løsning. Så enkelt er

Ja, det fekk me ikkje Stortinget med på å greia ut, så det kan godt vera me hadde vore for det òg. Og så er det Tau-ferja, er me for den, spør ein dei som er for ferje. Ja, men det fekk me ikkje Stortinget med på å greia ut, men det kunne godt vera me kunne landa på det òg – ja, i det heile. Og så er det pengar. Heile spekteret av argument i alle retningar – kva er dette kva er dette partiet for noko? Har dei ikkje nokon som helst sjel som seier at dette står me for? Her er ein for Ryfast, her er ein for ferje, her er ein for bru, her er ein for ditt og for datt. Nei, no overspeler Framstegspartiet. Eg trur veljarane på Nord-Jæren, i Rogaland, ser at det de no held på med, er uverdig for eit politisk parti. Stå opp og stå for det de står for! Det trur eg

bilistane endeleg skal betala, er uavklart fordi den endelege avtalen vart gjord mellom bompengeselskapet og Vegdirektoratet, endeleg kostnad blir lågare enn det som står i proposisjonen. Det som eg har lagt vekt på, og som eg er glad for at Stortinget har slutta seg til, er at eventuelle reduserte kostnader skal koma trafikantane til gode gjennom Solbakktunnelen. Så til KS2: Eg registrerer at Framstegspartiet forklarer, kjem med argument for kvifor dei har gått vekk frå og ikkje følgt KS2 på to namngjevne prosjekt. Ja vel,

rapporten, må òg prøvast mot dei som er dei verkelege ekspertane på veg, nemleg vegstyresmaktene. Det er dei som sit med den beste ekspertisen på vegbygging, og dei tilrår å byggja prosjektet. Framstegspartiet må vel skremma med Oslofjordtunnelen. Dei må då ha klart for seg at Solbakktunnelen er noko heilt anna fordi det er to løp i kvar retning, med rømmingsvegar. Framstegspartiet snakkar om å be om to månader til å gå gjennom saka. Det er grundig gjort i forkant. Det er difor tilrådinga er som ho er frå regjeringa si side. Det er faktisk for å unngå det rådet som er gjeve frå KS2-konsulentane, som vil innebera: Rykk tilbake til start – begynn på nytt etter alle desse åra. Ti år med intensivt lokalt arbeid har ført fram. Det er ei tid for planlegging og diskusjon, og det er ei tid for gjennomføring og realisering. Alle sider ved prosjektet er grundig vurderte. No gjeld det å koma i

Om denne grundige vurderingen som altså ligger til grunn for regjeringens og Samferdselsdepartementets konklusjon, sier konsulentfirmaene Holte Consulting og Vista Analyse, som er håndplukket og finsiktet av Finansdepartementet, følgende, som et tilsvar på den vurderingen som departementet har gjort av deres egen kvalitetssikringsrapport: De kommenterer de modellene som Statens vegvesen har brukt, og konkluderer – som det står i innstillingen, side 5 – med det grundige fundamentet som statsråden bruker på å kjøre saken gjennom, til tross for en usedvanlig tydelig konklusjon i ett eneste prosjekt innenfor samferdselssektoren. De to andre som forsøkes brukt, ubåt, Dovrebanen og E6, har helt spesielle forhold knyttet til seg, så de er

midten. Da sa Trygve Stangeland: Da får du to tunneler til samme prisen. Det forslaget som er lagt fram fra Fremskrittspartiet, viser helt tydelig at de ikke bare ønsker et alternativ til Ryfast, men de ønsker også et alternativ til trafikale løsninger for Stavangers sentrale områder, knyttet til både tunnelen fra Hundvåg til Stavanger og Eiganestunnelen. Da er det igjen verdt å minne om historien, fordi Høgsfjordprosjektet brukte en 19 år på å prøve å realisere. Etter 19 år var tålmodigheten slutt, selv om mange av oss da også var bekymret for at det å starte på nytt ville ta lang tid. Og det tok lang tid – det tok 13 år. Fremskrittspartiets forslag innebærer ikke bare noen måneders utsettelse. Det vil innebære mange års utsettelse, ikke bare for alle de i Ryfylke som ønsker et fergefritt alternativ, men for alle de tusen som står i kø over Hundvågbroen hver eneste morgen og stanger gjennom Stavanger sentrum, og alle de som står i kø i Tjensvollkrysset hver eneste morgen fordi en sluser hele E39 gjennom Tjensvollkrysset istedenfor gjennom en Eiganestunnel. Dette handler om at Fremskrittspartiet vil utsette gode trafikale løsninger ikke bare for Ryfylke, men også for storbyen Stavanger i mange år framover gjennom det alternative forslaget som her er satt fram. Nå er

Men jeg må i alle fall si såpass at lavmål er et fint ord på det som har foregått. Jeg har sjelden og aldri hørt en så unison forsamling angripe Fremskrittspartiet – og det på grunn av at det nå er kommet en KS2, konsekvensutredning 2, som viser at dette ikke er et like enkelt prosjekt bare å sette i gang, selv om vi har aldri så mye lyst til det. Her er vi ansvarlige – dersom det Her er vi ansvarlige – dersom det skulle skje et eller annet, er vi faktisk ansvarlige for det. Og jeg har ikke hørt at noen har kommet med saklige og gode argumenter for å imøtekomme det som KS2 viser. Det forbauser meg. Jeg må si at jeg er overgitt over at det går an av samtlige partier å ta så lett på ta så lett på så krasse, alvorlige advarsler som kommer fram. Hvorfor i all verden kommer de som har utredet KS2 med disse advarslene – er det fordi de har egeninteresse av det? Bør vi ikke ta dette på alvor og gjøre noe med det? La meg slå fast: Fremskrittspartiet vil altså ha Det er helt sikkert. Så kan vi svartmale så mye vi vil det konkrete forslaget til Fremskrittspartiet. Det vil jeg sitere, og det lyder som følger: «Stortinget anbefaler ikke at rv. 13 Ryfylkesambandet bygges som foreslått i Prop. 109 S . Stortinget ber om at det så fort som mulig utarbeides ny KVU med alternative transportløsninger mellom Ryfylke og og om trafikale løsninger for Stavangers sentrale områder.» Dette er kjempeviktig, men for Fremskrittspartiet er det viktigste oppi dette at vi skal ha en trygg og sikker fjordkryssing. At vi da skal ri kjepphester her og snakke om hvor mange år dette er blitt jobbet med, og i det hele tatt bare hoppe på noe for å få en løsning,

hadde gleda av å få første ordet i denne saka og hadde eigenleg tenkt at eg skulle få siste òg. Men eg er stygt redd for at det er nokon som smett på, men eg kan ta ordet igjen. Dette har vore ein lang debatt. På førehand var det stipulert at me skulle bruka 40 minutt. No har me vel brukt eit par timar, minst, men i forhold til desse som har halde på i 30 år, eller var det 40 år, for å få dette realisert, synest eg at nasjonalforsamlinga kan ta på seg å bruka såpass tid på det. Debatten har vore bra, synest eg. Me har fått fram det som er både einigheit og ueinigheit og ting ein lurer på. Det har kome veldig sterke vitnemål frå Stavanger-regionen og Ryfylke, og eg vil gjerne seia spesielt til Stavanger, frå fleire parti: Stavanger er eit vekstsenter for oss, som er viktig ikkje berre for Stavanger og Rogaland, men for heile landet, for det skjer så mykje rundt der. At det er veksesmerter i og rundt Stavanger, klarer ein å gjera noko med dette prosjektet. Eg synest det er veldig viktig at ein opnar Ryfylke på denne måten, som eit attraktivt og flott buområde, vil eg òg meina, pluss at det er industri der som på ein mykje betre måte kan samhandla med omverda. Fleire har vore inne på ein mykje betre måte kan samhandla med omverda. Fleire har vore inne på at rentene kan verta lågare enn dei 6,5 pst. som ein har rekna på her. Det trur eg. Eg trur det er fleire prosjekt som viser at ein klarer å få betre rentevilkår. Då vil eg igjen visa til det som står i fleirtalsmerknaden om at dersom det vert gunstigare økonomi i prosjektet totalt, er det kostnaden for dei som reiser gjennom Solbakktunnelen, som i første rekkje skal gå ned. Eg meiner at det er stor grunn til å tru at dette også vert rimelegare å bruka enn det som ein har kalkulert med. Så er det jo sånn òg at reiser ein i ein sånn tunnel med bil, brukar du AutoPASS. Då betaler du berre ein pris. Har du med deg ein passasjer, har du med deg to eller tre eller fire, betaler du ingenting for dei. Så det er eit knekkpunkt der: Dess fleire du har med deg, dess rimelegare vert det. Derfor trur eg at særleg dei

Men no reiser me med buss alle vegar, og det går heilt fint. Så dette kan òg brukast til kollektivtrafikk. Jeg kunne ikke dy meg da saksordføreren begynte å prate om knekkpunkt kollektivandel. Det er jo det som er noe av den store utfordringen rundt prosjektet, og som KS2 faktisk tar inn over seg, og det er trafikken og trafikkmengden. Jeg tror også ganske klart at det er utfordringer med det. Som representanten Sortevik sa, at beregningene med TASS 5 er tilnærmet verdiløse ettersom både modellbrukerne og etterfølgende trafikkseminar har definert bort alle sammenhenger mellom bompengenivå, reisemønster og reisemiddelvalg. ganske sterk kost i forhold til dette prosjektet. Til representanten Langeland, som sa at nå må man stå opp for noe. Vi står faktisk opp for noe, fordi vi mener at med de tingene som er kommet fram i denne saken, er det mange utfordringer som gjør at man velger å si nei til det framlagte forslaget, men vi ønsker å få på plass en fastlandsforbindelse til Ryfast. Men jeg er jo spent på om representanten Langeland, som er imot prosjektet, som har kjempet imot prosjektet i all tid, kommer til å stemme for prosjektet i dag, eller om han kanskje ikke kommer til å være til stede i dag. Det kan være interessant om representanten Langeland kommer til å stå opp for noe. Så har jeg lyst til å si til noe av den siste informasjonen som har kommet fram de siste dagene, og det er at det er rundt 130 mill. kr i vedlikeholdskostnader bare for de to tunnelene. Det er mer penger

selvfølgelig må vi, hvis dette vedtaket blir fattet, sørge for å vedlikeholde tunnelene og sørge for at de er trygge å kjøre i. Men jeg er redd for at vi kommer til å se kostnadssprekk på kostnadssprekk på dette prosjektet. Det kommer til å bli dyrt, og dessverre vil det være innbyggerne i hele Rogaland som sannsynligvis må ta regningen når fylkeskommunen må stille opp for garantien sin på men jeg er redd for at jeg om noen år, som jeg sa i mitt tidligere innlegg, kommer til å si: Hva var det jeg sa? Det gikk sånn som jeg fryktet, men ikke som jeg håper. For jeg håper selvfølgelig, og jeg er glad for hver meter asfalt. Men jeg tror at dette er et sjansespill. Jeg er usikker på om vi har valgt en god løsning, spesielt når det gjelder kvalitetssikringen og den rapporten som kommer derfra, som er så klar og tydelig, til og med etter at Vegdirektoratet har lagt fram sitt, og brukt noen få linjer i proposisjonen på hvorfor de bare blankt avviser KS2. Men det betyr jo at vi heretter ikke behøver bruke millioner av kroner i året på KS2 eller KS1, for det er noe regjeringen ikke velger å ta hensyn til allikevel. Først: Staten tek vedlikehaldskostnader på tunnelar. Så litt til det med knekkpunkt. Då tenkjer eg i forhold til ferjer. Eg veit ikkje om Hoksrud er så van med ferjer – innanlandsferjer. Så vart det stilt spørsmål om trafikkmengde og desse eksterne konsulentane. Ja, dei er eksterne, og dei er sikkert flinke til å rekna, men det har altså vore tolv andre tinga. Det er då snittet eller samanstillinga av dei som har ført til resultatet. Så vil eg gjerne nemna noko anna som fleirtalet har med i merknadene sine, som kan verta veldig interessant framover, og som kan vera med og få ned kostnadene: «Fleirtalet imøteser utgreiing om innføring av obligatorisk brikke i samband med revisjon av Nasjonal transportplan. Dersom det skulle bli innført, vil det kutta kostnadane ved automatisk bompengeinnkrevjing vesentleg, og det vil betra økonomien både for Ryfast og for andre bompengeprosjekt.» Når det gjeld innkrevjingskostnadene på autopassordninga, er det spesielt store kostnader knytte til dei som ikkje har brikke. No får me innført i løpet av året obligatorisk brikke for alle kjøretøy over 7,5 tonn. tonn. Det kan godt vera, som NTP legg opp til, at den grensa vert endra nedover. Då vil ein òg få rimelegare innkrevjing. Så litt til Framstegspartiets forslag: «Stortinget ber om at det så fort som mulig utarbeides ny KVU med alternative transportløsninger mellom Ryfylke og fastlandet og om trafikale løsninger for Stavangers sentrale områder.» «Så fort som mulig» – ja, slik eg har forstått det, vil «så fort som mulig» kunne vera ti år. Og med dei vitnemåla me har fått i dag frå dei rundt Stavanger, har ein ikkje tid til å venta i ti år på å finna ei god nok trafikal løysing. Derfor er det einaste alternativet å gå for det som ligg føre i dag.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

Stortinget har tidligere sluttet seg til en utvidelse av Bergensprogrammet. Bybanen i Bergen er blitt svært vellykket. Det ligger nå forslag om ytterligere utviding av Bergensprogrammet, som gir rom for å åpne tredje etappe av Bybanen, samt en del andre tiltak. Før saken kan legges fram for Stortinget, skal det gjennomføres en For å sikre kontinuerlig utbygging av Bybanen har Hordaland fylkeskommune søkt om å få benytte 55 mill. kr i bompenger til tredje etappe i 2012, og dette skal skje ved at Bergen Bompengeselskap AS øker låneopptaket i mellomtiden. Alle partiene, så nær som Fremskrittspartiet, støtter Samferdselsdepartementets anbefaling om å slutte seg til dette. Bybanen utgjør en særdeles viktig del av kollektivtilbudet i Bergen, og har i løpet av kort tid blitt en suksess. En ytterligere utvidelse er nødvendig for å kunne møte den økte befolkningsveksten i Bergen med kollektive løsninger, og flertallet er opptatt av at det er viktig å sikre en kontinuerlig utbygging. Innkrevingen av lokal drivstoffavgift i Tromsø har bidratt til nødvendig utbygging av infrastruktur i kommunen. Ordningen går imidlertid ut i sommer, og nå har Tromsø kommune og Troms fylkeskommune søkt om å få forlenget innkrevingen i fire år til, fram til 31. juli 2016. Dette har samtlige partier i kommunestyret i Tromsø stilt seg bak, inkludert Fremskrittspartiet. Tromsøpakke 3, trinn 1, vil omfatte tiltak for kollektivtransport, for gående og syklende og trafikksikkerhetstiltak. Det er også prioritert midler til planlegging av framtidige tiltak i samsvar med konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tromsø. En fireårig utvidelse vil imidlertid gi små inntekter. Hovedsatsingen er derfor lagt til en strekning i byen Dette er en av de mest trafikkerte vegene i Tromsø, mellom sentrum og universitets- og sykehusområdet i Breivika. Nå sikrer man sykkelfelt og tosidig fortau på hele strekningen, og alle partiene i komiteen, minus Fremskrittspartiet, mener at det er positivt og i tråd med klimaforliket. Tromsø står overfor store utfordringer når det gjelder den framtidige infrastrukturen, noe ikke minst konseptvalgundersøkelsen peker på. Dette uttrykker hele komiteen bekymring for. Det er store behov for investeringstiltak både på riksvegene, for kollektivtransporten og for å bedre forholdene for gående og syklende. Kommunen opplever også en sterk vekst i folketallet, og Tromsø spiller en sentral rolle for utviklingen i nordområdene. En samlet komité uttrykker derfor bekymring for kapasitets- og miljøutfordringene som er knyttet til transportsystemet i Tromsø. Det er bl.a. arealknapphet for både boligbygging og næringsutvikling som følge av transportsystemet. Derfor mener de rød-grønne partiene at det er sterkt beklagelig at Fremskrittsparti-Høyre-byrådet i Tromsø så langt ikke har vist vilje til å løse de store infrastrukturutfordringene kommunen står overfor. Gjennom å parkere tidligere vedtak om medfinansiering for viktige samferdselsprosjekt som bygging av ny og ved ikke å ville innføre tiltak som ville kvalifisert Tromsø til støtte fra belønningsordningen, har infrastrukturutviklingen i byen stoppet opp. Jeg har registrert at både representanter fra NHO, Næringsforeningen, UNN og Høyres egen samferdselspolitiske talsmann, Øyvind Halleraker, har advart mot dette. Lengst har fylkesråden for samferdsel, Terje Olsen fra Høyre, gått, som har bedt Stortinget overkjøre Fremskrittspartiet og Høyres byråd i Tromsø for å sikre realisering av ny Den nye E8 utgjør hovedtransportåren inn til Nord-Norges største by. Med sitt vedtak har det borgerlige flertall i kommunestyret skjøvet dette prosjektet helt ut i det blå. Det er mange som deler de rød-grønne partienes frykt for at manglende forutsigbarhet og vilje til å gjennomføre nødvendige tiltak for å bedre infrastrukturen, vil svekke Tromsøs posisjon som en motor i nord. Aller først vil jeg forholde meg til videreføringen av de lokale avgiftene på drivstoff i den såkalte Tromsøpakke 3 og

departementet legger til grunn: Departementet legger vekt på at ordningen med lokal drivstoffavgift ikke må oppfattes som en ny kommunal avgift for å løse ordinære oppgaver på hovedveinettet, og at tiltak som skal finansieres av drivstoffavgiften, må utgjøre en ekstraordinær satsing gjennom bygging av et hovedveinett i Tromsø. Men av de 92 mill. kr som er beregnet fra denne denne drivstoffavgiften på Stakkevollvegen, skal 46 mill. kr, eller halvparten, brukes til helt andre formål enn på hovedveinettet. 46 mill. kr fra bilistene er planlagt brukt til helt andre tiltak enn hovedvei, tiltak for gående, syklende og andre tiltak. Så skal vi ta departementets uttalelser på alvor, Så skal vi ta departementets uttalelser på alvor, er det liten tvil om at dette ikke er noe annet enn en gjennomføring eller forlengelse av en ny avgift. Proposisjonen inneholder også en forskuttering av E39 Høgkjølen–Harangen i Sør-Trøndelag. Fremskrittspartiet støtter denne forskutteringen, men mener at det er direkte galt og lite trafikksikkert at regjeringen tar til orde for en veibredde på 8,5 meter på en europavei. Ikke minst blir dette galt når vi vet at strekningen er ulykkesutsatt. Fremskrittspartiet prioriterer trafikksikkerhet og ønsker derfor å bygge veien med 12,5 meters bredde. Paradokset er at samferdselsministeren gang på gang

utbygging, eller låneopptak, før et slikt prosjekt eventuelt kan kobles opp til nye jernbanelinjer til Flesland og Åsane og knyttes opp til det nasjonale jernbanenettet. I en slik løsning ønsker Fremskrittspartiet å understreke viktigheten av en samordning mellom Jernbaneverket, NSB og Avinor. Flesland bør prioriteres

en foreløpig sprekk på over 300 pst. og en foreløpig forsinkelse på sju år. Er det mulig? Dette er uansvarlig, useriøst og en uforskammet måte å bruke skattebetalernes penger på. Jeg vil minne om at Fremskrittspartiet fremmer et forslag for å få på plass en IKT-havarikommisjon, og da ikke for å fordele skyld, men for at det offentlige kan lære av de feil som er blitt gjort.

her fra denne talerstol bli fortalt at dere tenker helt feil, for vi tenker rett her inne. Det er ikke den måten Høyre driver samferdselspolitikk på. Jeg er veldig enig i at vi nå får dette vedtaket om utvidelse av lånerammen, slik at man kan holde oppe tempoet. Men jeg håper at statsråden i sitt innlegg kan si litt mer om når denne bompengesøknaden blir ferdigbehandlet – det dreier seg tross alt bare om en dobling av avgiften. Så så veldig komplisert skulle det ikke være – slik at man kan fortsette arbeidet som man har forutsatt. Det innebærer at det må foreligge et vedtak før 1. januar 2012. Når det gjelder Oslopakke 3 i denne saken,

på vei. Fjellinjen velger å gjøre dette selv, og det kan tenkes at også Fjellinjen kunne ha nytte av å få konkurranseutsatt sin drift, bare så det er nevnt. Når det gjelder E39 Høgkjølen–Harangen, er vi i grunnen akkurat der vi var i går da vi snakket om E16, og at vi bygger for smal vei – vi bygger for fortiden. Høyre mener – som vi har uttrykt i vår trafikksikringsplan – at vi må senke terskelen for når vi skal bygge møtefri vei – midtdelerløsninger – og da må vi opp i 12,5 meters bredde for å få det til. til. Derfor har vi også et forslag om det i saken, som allerede er satt frem. Jeg tror at vi kommer til å se at trafikken også her kommer til å øke mer enn prognosen tilsier, og at det ville være klokt allerede nå å foreta den utvidelsen. Når det gjelder Tromsø-saken, som egentlig er sakens støtter vi selvfølgelig ordningen som har vært der i mange år, og utvidelsen som nå skjer. Representanten Bjørnflaten sier at vi i Tromsø har fått et nytt politisk regime, som ikke viderefører de vedtak som er gjort tidligere. Det er vi nødt til å ha respekt for at de har en annen holdning til, men det er riktig, som jeg har uttrykt, at de som kommer til Stortinget og ber om å få forsert sine prosjekter ved å være med og bidra i finansieringen, lykkes som regel. Alternativet er å vente til det er nok statlige midler på plass. Det er en riktig fremstilling.

Men sjå for dykk ein debatt i dag, som den me har i dag i denne saka, dersom Framstegspartiet ville vera med i klimaforliket, der ein skal ta veksten på kollektivtransporten og ikkje på privatbilismen. Det hadde vore spennande å vera med på. Som eg sa i går, er eg veldig glad for at Framstegspartiet slepp å vera med og ta klimaansvar, slik at dei kan kjøra på kol, som vanleg. I går var det òg veldig mykje debatt om nettopp transport, og dei kollektive løysingane blei omtalte som framtidsretta – både når det gjaldt bybanar, meir satsing på tog og elbilar. Det kollektive, klimavenlege sporet var i det heile høgt på dagsordenen i går. Derfor er det litt rart at nokre byar ikkje er så gode på dette. Når ein ser på Trondheim, som har ein avtale med staten, og som faktisk har redusert privatbiltrafikken sin med 10 pst. og auka kollektivtransporten sin betydeleg, er det rart at ikkje andre byar også tenkjer slik. Som me veit, er t.d. NHO positiv til restriktive tiltak innafor byområda, fordi dei veit at det fører til at fordi dei veit at det fører til at dei tener meir pengar. Viss det ikkje er køar overalt der varene skal fram, betyr det at ting går raskare. Derfor er det litt urovekkjande at større byar i Noreg – Tromsø, Bergen, Oslo, som vi snakka om her – ikkje går det sporet hardt nok. Der er det nemleg mykje å henta for klimasaka, fordi me forureinar mindre, men òg for næringslivet, som tener meir. I tillegg blir miljøet og ikkje minst luftforureininga betre, ikkje minst luftforureininga betre, noko som er eit problem i alle byar, spesielt på vinterstid. Det er ikkje tvil om at Bybanen i Bergen har vore ein suksess. Han har Framstegspartiet motarbeidd heile vegen. Når eg les det som Framstegspartiet skriv i innstillinga om at Bybanen krev gategrunn, lurer eg på om det er Framstegspartiet sin politikk Bybanen krev gategrunn, lurer eg på om det er Framstegspartiet sin politikk å riva Bybanen fordi han tek opp plass for parkeringsplassane, eller godtek ein den biten som er bygd, og vil ikkje byggja meir? Det er slik eg les det, men ein begynner å lura når det er gale at Bybanen i Bergen – som har vore ein suksess – tek opp så mykje plass. No ser eg at representanten Sortevik teiknar seg på talarlista, då reknar eg med at me får svar på det spørsmålet. På Nord-Jæren, der eg held til, er det òg bybaneplanar, men dei skriv stadig vekk i avisene om kor sure dei er på bergensarane som har fått dette til, mens dei på Nord-Jæren og i Stavanger-regionen ikkje har klart dette enno. Det er i alle fall eit klart mål at Stavanger òg skal få til dette som Bergen-suksessen viser. Det er slik at Tromsø har lagt om den politiske kursen noko. Eg veit ikkje korleis eg skal tolka Halleraker, men eg tolkar han litt dit at uansett kva for eit regime som finst lokalt i ein by, svarar det seg å samarbeida på dei premissane som t.d. eit klimaforlik legg opp til, og som ei påskjøningsordning legg opp til. For det er eit breitt politisk fleirtal som står bak, og viss ein kommune ikkje held seg til det breie politiske klimaforlikfleirtalet på Stortinget,

seier me veldig tydeleg frå regjeringspartia si side at der gjeld òg klimaforliket. Der gjeld det at veksten må takast på kollektivtransporten. Me kan ikkje ha meir forureinande biltrafikk inn i byen. Så der reknar eg med at Oslo justerer kursen i forhold til det som gjeld klimaforliket, sånn at staten kan bidra med meir økonomiske midlar til Oslo, og alle større byar, slik som ein blei einig om

Det er jo veldig bra at det no skjer ei utvikling for Bybanen. Det er altså tredje etappe ein no er klar til å gå i gang med. I ein merknad frå Høgre ligg det òg at me treng ein ny bompengesøknad. Eg har lyst til seie at eg sluttar meg til det substansielle frå Høgre si side, det utolmodet over å få det på plass. Kristeleg Folkeparti har likevel valt ikkje å slutte seg til den merknaden. Det er fordi Bergen bystyre har brukt relativt lang tid i behandlinga, og saka har heller ikkje vore så lenge i departementet enno. Men eg deler Høgre sitt utolmod i saka. Ein statsråd som har behandla verdas lengste tunell så hurtig, vil òg heilt sikkert kunne behandle denne saka hurtig og på ein god måte. Så Der er me jo einige om at drivstoffavgifta skal vidareførast. Eg deler òg eit utolmod om at Tromsø skal vere meir villig til å bruke restriktive tiltak, men eg meiner at det skal kome frå det lokale initiativet. Det gjeld alle bompengesøknader som vi behandlar her. Men det er òg viktig at

me lukkast med å få fleire frå bil og over på kollektivtransport, så forsvinn òg finansieringsgrunnlaget. Lat meg aller fyrst kommentera dei tre sakene som gjeld byområda våre. Det fyrste er revidering av Oslopakke 3. Eg er glad for at komiteen ikkje har merknader til orienteringa om at bompengeselskapet Fjellinjen AS har teke opp eit driftsrelatert lån på om lag 900 mill. kr utover dei kr som Stortinget tidlegare har gjeve tilslutning til. Eg vil be Statens vegvesen om å sørgja for betre rutinar ved behandling av slike saker. Så er revisjonen av Oslopakke 3 ei sak som eg vil koma tilbake til Stortinget med, fyrst i budsjettframlegget i haust og deretter i samband med Nasjonal transportplan neste vår. Oslo og Akershus møter store utfordringar på bakgrunn av sterk befolkningsvekst. Som Stortinget no har vorte einig om i klimaforliket, skal veksten i persontransporten takast med kollektivtransport, sykkel og gange. Til liks med komiteen legg òg eg til grunn at det må vera eit mål for hovudstadsområdet, Oslopakke 3, at ein ventar at trafikkveksten finn si løysing gjennom å satsa på gjeld Bergensprogrammet, har eg følgjande å seia: For å sikra ei kontinuerleg utbygging av Bybanen har Hordaland fylkeskommune søkt om løyve til å nytta 55 mill. kr i bompengar til tredje etappe av Bybanen i 2012. Eg tilrår det for å sikra nødvendig framdrift i førebuingane til anleggsstart for tredje tredje etappe av Bybanen. Så er bompengeproposisjonen for Bergensprogrammet etterlyst her. Til det er det å svara at eg har ikkje til hensikt å la han liggja lenge i departementet; han er enno ikkje komen dit. Difor er mitt svar at han skal leggjast fram når det gjeld Tromsø og spørsmålet om forlenging av drivstoffavgifta der, er det store behov for investeringar i transportsystemet i Tromsø, både på riksvegane, for kollektivtransporten og for gåande og syklande. Byen har betydeleg befolkningsvekst og spelar ei viktig rolle for utviklinga i nord. Viss ein ikkje lukkast med å etablera gode samferdselsløysingar, vil ein kunna stå i fare for at veksten skjer utanfor landsdelen. Det er tverrpolitisk einigheit om å vidareføra avgifta i Tromsø kommunestyre. Det er bra at både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune ynskjer sterkare satsing på kollektivtrafikk, på trafikktryggleik og tiltak for gåande og syklande. Ei slik innretning er òg i tråd med regjeringa si klimamelding. Men det er òg verdt å merka seg at utvidinga av drivstoffavgifta gjev relativt små inntekter i forhold til det totale behovet for vidare utvikling av transportsystemet i Tromsø. Eg må ta til etterretning at Tromsø kommune og Troms fylkeskommune så langt ikkje har ynskt eit slikt omfang av trafikantbetaling som er vanleg i andre byområde. Dei planlagde aktivitetane dei neste fira åra er difor låge. Så er det

til at nødvendige tiltak kjem i gang. Det er stor glede lokalt knytt til forskottering av Harangen–Høgkjølen. To fylkeskommunar har teke initiativ til forskottering, og eg er hjartans einig i det. Det betyr anleggsstart i september 2012, og heile prosjektet kan planleggjast opna for trafikk i 2015.

og i tillegg – hvordan får man lov til å låne 900 mill. kr som man egentlig ikke har rett til å låne? Det er egentlig tre ganske alvorlige forhold som ligger i denne samleproposisjonen, som ser ut til å være en enkel sak å få igjennom i Stortinget. Det er ikkje mi meining å gøyma saker gjennom å omtala dei som andre saker. Det er tvert imot vanleg praksis i transportkomiteen at det blir ei oppsamling av saker rundt mai månad. Nokre er så store at dei kjem som eigne saker. Lat meg for det fyrste svara når det gjeld dei 900 mill. kr og låneopptaket i Fjellinjen AS. Der har Statens vegvesen fått beskjed om å få på plass betre rutinar. Når det gjeld Oslopakke 3, kjem vi tilbake til den saka både i budsjettet og i NTP. Så må eg seia nokre ord om Autosys, for eg er heilt einig med Hoksrud. Det er ein alarmerande kostnadsauke. Det handlar om å modernisera dagens førarkort- og motorvognregister. Det dreier seg om ni månader forseinking på grunn av funksjonelt omfang og teknisk kompleksitet. Med Framstegspartiet si tru på kvalitetssikring bør det trøysta at både Statens vegvesen og departementet har knytt til seg eksterne kvalitetssikrarar på dette feltet. Mitt spørsmål går på Bergensprogrammet. Lånerammeutvidelsen er vel og bra, men det er også viktig at man nå får den framdriften i planleggingen av hele pakken som man ønsker. Det er avhengig av at finansieringsrammen rundt prosjektet blir klarert. Det skjer gjennom bompengesøknaden. Så hører jeg at statsråden sier at den ikke har kommet til henne. Det er dessverre riktig. Den ligger hos en av hennes

Med referanse til tidlegare sak må eg få minna om at ein KS2-rapport var ferdig før jul. Så er eg glad for at Stortinget tok den saka så fort vidare. Den gleda deler vi. Når det gjeld denne saka om Bergensprogrammet, har eg allereie etterlyst ho. Det er fordi eg veit at det er utolmod når det gjeld å følgja opp programmet. Det er både i Bergen og

Så spørsmålet mitt er veldig enkelt: Når klimaforliket no er på plass, kan statsråden sikre at me når NTP blir lagd fram neste år, har ei god ordning på plass? Frå regjeringa si side var det ei bestilling til etatane med omsyn til det forslaget som dei skulle utarbeida og koma med forslag til korleis staten kunne delta med større medfinansiering enn i dag. Det har dei gjort. Så har Stortinget – eit breitt fleirtal – gledeleg nok stadfesta dette i klimaforliket, både at staten skal ta ein større del, og òg det forslaget som ligg, at det er og sykkel som her må ta veksten i dei største byområda. Vi arbeider med å ha ei ordning klar i NTP, og eg har i dag hatt møte med KS sitt storbynettverk for òg å høyra korleis dei største byområda sjølve ser på kva som bør prioriterast.

Alle partier, unntatt Fremskrittspartiet i Akershus og Rødt i Oslo, fant sammen for å løse regionens utfordringer med hensyn til vei-/kollektivtrafikk. Styrken i politiske forlik er at de tåler en politisk storm og et valgskifte eller to. De opphever skillelinjer og ansvarliggjør de partier som går inn i forliket. De nærmeste årene er det en formidabel befolkningsvekst i Oslo og Akershus. Til det trengs det robuste transportsystemer og gode kollektivløsninger. Det siste er vesentlig, fordi regionen trenger bilbegrensende tiltak, og – som flertallsmerknaden påpeker – veksten må tas kollektivt. Så er det sånn i dag at en av fire kroner allerede går fra bompenger til drift av kollektivtrafikk. For noen uker siden ble en ny, revidert Oslopakke 3 presentert av dem som hadde forhandlet. Et forlik kan videreføres, om enn med noe avskalling. avskalling. I 2006 satte Fremskrittspartiet i Oslo seg til forhandlingsbordet og fant en løsning. De la bort kjepphestene og bidro ganske aktivt til at Oslopakke 3-forliket kunne lanseres. I 2012 var kjepphestene funnet fram, og vi kan dermed så langt registrere at Fremskrittspartiet har meldt sin avgang fra hele Oslopakke 3-forliket. Det føyer seg jo godt inn i rekken av bompengemotstanden de framviser ganske sterkt i denne salen. Derfor er jeg nødt til å si, særlig til Høyre, at uten Arbeiderpartiet ville det altså ikke blitt noen Oslopakke 3, og det krever at Arbeiderpartiet og Høyre også må finne sammen i store saker for å skape framtidsrettede og gode, langsiktige løsninger. I går vedtok vi klimaforliket. I morgen skal Oslo bystyre behandle Oslopakke 3. Neste mandag skal fylkestinget i Akershus behandle Oslopakke 3, og til høsten skal Stortinget ta dette videre i budsjettet. På pressekonferansen for den reviderte pakken ble det sagt at Oslopakke 3 løser ikke alt, men den er helt avgjørende for regionen. Om dette er et riktig skritt i retning av et mer klimavennlig hovedstadsområde, gjenstår å se. Forventningene i salen er store. Så må jeg helt til slutt si til partiet Høyre og representanten Halleraker at det er besnærende at Høyre nok en gang løfter inn konkurranseutsetting av bompengeselskapet Fjellinjen. Da anbefaler jeg representanten Halleraker og Høyre å ringe sine partikollegaer som styrer i Oslo og Akershus, og si akkurat dette. De har styrt i denne jobben ganske lenge. Det har ikke vært noe stort tema, så jeg anbefaler Høyre å ta det opp. Jeg registrerer at regionen ikke ønsker dette – heller ikke Høyre i Oslo og Akershus ønsker

basert på antall omstigninger. Hvis det hadde vært parlamentarisk å si det, ville jeg kalt det for politisk bløff. Men det er altså ingen veldokumenterte regnestykker på at kollektivandelen faktisk har økt i Bergen med trikken. Men det som dessverre har forsvunnet ut – og det er nok delvis på grunn av forvaltningsreformen – er siste del av det andre hovedprosjektet, altså ikke Bybanen, men det andre hovedprosjektet, som er en viktig ringveiforbindelse i storbyen Bergen. Det at vi skal få velfungerende transportsystemer i de største byene, er avhengig av at de har gode veiforbindelser, og – ikke minst – gode ringveiforbindelser. Nå er vi i gang med å bygge andre delen av den viktige ringveien, Ringvei Vest. Der ligger vi godt an. Der ligger man foran skjemaet, man har brukt mindre penger, man regner faktisk med å gjøre dette 200 mill. kr billigere enn antatt. Men det mangler altså 830 mill. kr til å finansiere tredje byggetrinn for at hele ringveien skal få virkning. Det er jo viktig at man bygger prosjektet helt ferdig. Først da får man god miljøvirkning – med adresse til flere foregående talere. Da er det viktig at staten tar ansvar. ansvar. Vi har i vår merknad om utvidet lån til Bybanen nettopp pekt på det, at i storbyene må faktisk staten i langt større og sterkere grad ta ansvar for planlegging, koordinering og ikke minst finansiering, også når det gjelder å bygge ferdig gode, miljørettede veitiltak som Ringvei Vest nå er. Nå ser det altså ut som den tredje prosjektdelen blir skutt ut i tid. Da dette prosjektet ble påbegynt, var Ringvei Vest en riksvei. Nå er det et fylkesveiprosjekt. Da er det dessverre fare for at det seiler sin egen sjø en stund, fordi det ikke er økonomi i fylkeskommunen til å ferdiggjøre det løftet. Så oppfordringen fra Fremskrittspartiet er at staten tar større ansvar, og sørger for at Ringvei Vest blir

liten del av en totalitet i en samleproposisjon. Det er store overskridelser det er snakk om. Så har jeg lyst til å komme tilbake til Oslopakke 3. Det er ganske interessant det som ligger her, og jeg synes at det er interessant at man nå sannsynligvis er i ferd med å inngå et forlik som sier at 60 pst. av inntektene fra bilistene skal gå til kollektivtransport. Det høres bra ut. Jeg hørte det fra talerstolen her i går i forbindelse med klimaforliket, og jeg hører hvor fantastisk viktig det er at folk skal begynne å reise kollektivt: Ja, tenk hvis folk hadde gjort det. Tenk hvis alle som kjører bil inn til denne byen hadde sluttet med det – i morgen – og begynt å reise kollektivt. For det første ville det i det hele tatt ikke vært plass på det kollektivtilbudet man har. For det andre ville alt stoppe helt opp – fordi bilistene skal stå for 60 pst., eller nå 50 pst., av kollektivtilbudet i denne byen. Under og etter finanskrisen så man faktisk det som virkelig klarte å redusere biltrafikken – det var finanskrisen. Da gikk passeringene gjennom bomstasjonene i Oslo ned med 5 pst. Det er vel ingenting annet som noen gang har klart å redusere bompasseringene så mye. Da synes jeg det er litt spesielt at man har latt Fjellinjen fått lov til å låne 900 mill. kr utover de rammene som er satt i denne sal. Det ser ikke ut til at det har medført veldig mye annet enn at man har sagt til Statens vegvesen at de nå må ordne opp i dette. Det er ganske alvorlig, det er mye penger. Hvis man da sier at det kanskje er

er feil. Det var SV som ikke ville at Fremskrittspartiet skulle være med på å forbedre klimaforliket – slik at vi kunne ha fått en politikk som spilte på lag med næringslivet og husholdningene. I stedet ser vi resultatet av det som er SV og de rød-grønnes politikk i den innstillingen som behandles nå, nemlig en massiv satsing på mer avgifter, mer forbud og mer restriksjoner – fordi man ønsker at folk skal kjøre mindre bil og mer kollektivt. Fremskrittspartiet ønsker å få en bedre fungerende infrastruktur, bedre fungerende veisystemer, færre køer og gjerne at folk reiser mer kollektivt. Men vår tilnærming er altså ikke forbud, restriksjoner og avgifter. Det er å stimulere folk til positivt å ønske å reise kollektivt, for de ser at hverdagen blir enklere, de ser at de gjerne kan jobbe mens de sitter på tog og buss i stedet for å måtte følge med på veien framfor seg. Men vi ønsker at de skal velge dette fordi de selv vil. Derfor har Fremskrittspartiet lagt fram i denne sal positive virkemidler som vil oppnå de samme resultatene, sannsynligvis bedre resultater. Fremskrittspartiet foreslo at arbeidsgiveren kunne betale kollektivkort til sine ansatte, og at det skulle være skattefritt for dem. Regjeringen har selv anslått at det ville flytte 175 000 bilister fra bil til buss og tog. Det ville gitt et formidabelt resultat. Men det sier regjeringspartiene nei til – sannsynligvis fordi det virker, og fordi det samtidig ville redusere skatteinntektene litt. Så snakker Langeland om at dette var viktig å få til, fordi vi skal ha bilene vekk fra bysentrum. Vi skal ikke ha mer biler, folk skal kjøre buss. Da er det verdt å minne om at klimaforliket som disse partiene har vært med på, faktisk vil stimulere til økt biltrafikk i byene. 50 000 elbiler skal få lov til å være fullstendig du bare kjører elbil. Hvor mange elbilbilister tror en vil sette bilen fra seg og kjøre buss til byen? Ingen. Hvem kjøper elbil i Norge? Det er folk som bor rundt de store byene, og som ikke skal pendle langt, men som skal pendle på trafikkerte veier og vil slippe alle de kostnadene. Så her er det en manglende sammenheng mellom det SV sier de har gjort,

som komande regjeringspartnar Høgre ikkje har forstått. Ved å definera ut Langeland og SV definerer han også ut Høgre. Høgre er jo med på dette gode, glimrande klimaforliket som Framstegspartiet ikkje er med på, der dei fremma 30 forslag i går, som dei stemde ned. Eg må seia at det hadde vore veldig spennande å ha med Framstegspartiet i eit forlik, og det har dei debattane som Eg må seia at det hadde vore veldig spennande å ha med Framstegspartiet i eit forlik, og det har dei debattane som me har hatt i praktisk politikk etter klimaforliket, vist. Det er jo ikkje Ketil Solvik-Olsen sin profil som kjem fram, men den gamle, gode framstegspartiprofilen, som alle kjenner – ned med skattar og avgifter, alle skal få sin veg, alle skal ha sin bil, alle skal få alt, alle skal få skattelette! Det er jo dei som profilerer partiet no, etter at dei ikkje blei med i klimaforliket. Så dette er liksom ein analyse av situasjonen frå ein lærar sin ståstad, sjølv om det er 15 år sidan eg var lærar. Kvaliteten på mi lærargjerning er vel blitt dårlegare med åra, vil eg tru, så det er kanskje derfor Ketil hengjer seg opp i Ein del av dei løysingane som klimakameratane har – og då snakkar eg òg om kameratane mine i Høgre – er noko som næringslivet ønskjer seg, og då snakkar eg om f.eks. vegprising og rushtidsavgift, som verkar i Stockholm, og som vil verka i norske byar, og som næringslivet vil ha.

Behovet er til stede, og nå begynner det å bli det også for dem som ikke praktiserer det, rett og slett fordi de ikke har en talerstol som andre lytter til. Men la meg igjen minne om at klimaforliket var et spill fra regjeringen. Fremskrittspartiet ønsket å delta. Vi forhandlet faktisk som samlet blokk på borgerlig side, så kranglene tok vi internt i de borgerlige partiene – ikke når vi møtte de rød-grønne. Da forhandlet vi som samlet blokk. Dette er til og med blitt bekreftet fra Venstre,

når en diskuterer klima med SV. Men det betyr jo ikke at Fremskrittspartiets synspunkter ikke var relevante, for mange av punktene i klimaforliket var faktisk fremskrittspartipolitikk. Vi ser at en del av de tingene som vi skryter av, f.eks. innen teknologiutvikling, var det Fremskrittspartiet som spilte inn på borgerlig side – ikke de andre partiene og særdeles ikke SV. Jeg minner om at da NHO lagde sin

Derfor tror jeg vi heller skal høre på NHO enn på representanten Langeland når en diskuterer dette. Det er riktig at næringslivet vil tjene mer penger hvis det er mindre kø på veiene, og nettopp derfor foreslo Fremskrittspartiet å bygge bedre veier. Men nettopp derfor foreslo Fremskrittspartiet også å styrke kollektivtrafikken – ikke gjennom å prøve å forby privatbilisme i byene, men gjennom å gjøre det mer interessant å kjøre buss og tog. Det gjorde vi bl.a. ved å fremme forslag om at kollektivkort skulle være skattefritt hvis det var betalt av arbeidsgiver. Det som undrer meg, er at alle de andre partiene i Stortinget har stemt imot dette – til tross for at alle de andre partiene i Stortinget sågar har det programfestet, eller de lovte det i valgkampen i 2009. Dette er nok et eksempel der en gir inntrykk av å være veldig offensiv innen infrastruktur og kollektivpolitikk, men når en faktisk skal gjøre ting på Stortinget, er det kun moro hvis en kan skattlegge eller avgiftsbelegge en av bilistene. Hallgeir H. Langeland har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får i denne omgang ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt – og det er inntil 1 minutt. Lat meg starta med det Ketil Solvik-Olsen avslutta med, nemleg dette med kollektivkort. Her er eg heilt einig med Framstegspartiet, og dette har SV fremma mange gonger, men me har ikkje klart å få fleirtal for det. Me har òg jobba med noko som Framstegspartiet sikkert ikkje er like begeistra for – det at ein faktisk kan kjøra til jobb og ha gratis parkeringsplass, men at ein ikkje får lov til å få eit gratis kollektivkort og samtidig ikkje få problem på skatten. Så

Men det som forundrer meg en del, er at representanten Ketil Solvik-Olsen nå har sutret i to døgn over at han ikke har vært med rundt bordet. Da hadde det vært veldig interessant å få høre om hvorfor han i all verden angriper regjeringspartiene for at han ikke kom med rundt bordet? Hvorfor angriper han ikke sine partnere i opposisjonen for at han ikke kom inntil det bordet? Det har han ikke svart på til dags dato. Og jeg synes faktisk at han nå snart må hoppe ut av sekken – hadde jeg nær sagt – og forklare Stortinget hvorfor han ikke kom med i det gode selskapet, og ikke skylde på regjeringspartiene. Begrepet «sutre» er neppe innenfor parlamentarisk alminnelig språkbruk, og presidenten ber om at det ikke benyttes for å karakterisere andre representanter. Ketil Solvik-Olsen har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

videre. Det betyr dessverre bare at spillet vant. Arbeiderpartiet regisserte dette. Men det som er det fine, er at vi på borgerlig side så konturene av et kjempegodt samarbeid, der en hadde en total klimapakke som var mer næringsvennlig, mer forbrukervennlig og hadde større kutt enn det regjeringen la opp til i sin klimamelding og fikk til i forliket. Dette vitner om at i 2013 skal vi få til en bedre politikk enn det regjeringen har.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

Den nye bruforbindelsen vil gi en kortere reiseavstand mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Det er derfor lagt til grunn at Narvik lufthavn, Framnes, legges ned når Hålogalandsbrua åpnes i 2016. At innsparingen ved nedleggingen av Narvik lufthavn, Framnes, skal bidra til at finansieringen av Hålogalandsbrua, ble vedtatt i St.meld. nr. 16 for 2008–2009. Dette er det lokal politisk tilslutning til. Vedtaket fra Narvik kommune om nedlegging av lufthavnen viste at lufthavnen kan legges ned når brua er åpnet for trafikk. Brua skal etter planen være ferdig i 2016, og det er bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet innstiller på at Narvik lufthavn, Framnes legges ned når brua åpnes for trafikk, og det har komiteen sluttet seg til. Skulle åpningen av brua bli forskjøvet ut over 1. desember 2016, vurderer man det dit hen at lufthavnen skal legges ned ved utgangen av kontraktsperioden for den statlige kjøpte ruten mellom Narvik og Bodø 31. mars 2017. Dette er under forutsetning av at Luftfartstilsynet finner at lufthavnens teknisk-operative godkjenning kan forlenges til dette

Det er viktig at man også ser på behovet for en styrking av flybusstilbudet mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Vi ber om at man vurderer dette fram til nedleggingen av Narvik lufthavn. Det er et dårlig tilbud på noen avganger i dag, og det vil være behov for å se på de kollektive løsningene framover til 2016. Det er et ønske som komiteen har vært opptatt av. Det er lokal tilslutning til at prosjektet gjennomføres med delvis bompengefinansiering. Finansieringsplanen har en styringsramme, omregnet til 2012-kroner, på 2 480 mill. kr og kostnadsramme på 2 830 mill. kr. I overslaget inngår 10 mill. kr til etablering av bomstasjoner. Konkret ligger det 1 590 mill. kr i statlige midler, 860 mill. kr i bompenger og 30 mill. kr i tilskudd fra Narvik kommune. Til slutt har jeg lyst til å legge til noen ord for egen regning. Dette er en sak jeg har gledet meg veldig til – ikke minst det å få lov til å være saksordfører for den. Det er en sak jeg har fulgt lenge fra ulike roller i fylkeskommunen og som fylkespartileder. Det har vært et prosjekt som har krevd samarbeid fra start til mål. Det er et godt bevis på at man har samarbeidet lokalt, med næringsliv og lokale aktører, man har samarbeidet regionalt, man har samarbeidet i landsdelen og man har samarbeidet nasjonalt. Ikke minst har Nord-Norge i denne saken stått samlet om dette prosjektet, og det har gjort at prosjektet har blitt løftet fram raskere enn det ellers hadde blitt. Med dette prosjektet binder vi Ofoten-regionen, Nord-Norge og landet sammen. Narvikregionen blir et Med dette prosjektet binder vi Ofoten-regionen, Nord-Norge og landet sammen. Narvikregionen blir et enda sterkere logistikknutepunkt, og det er kjempeviktig at vi får til det framover og fortsetter å styrke det. Jeg har lyst til slutt å takke komiteen for velvilje til en veldig rask saksbehandling, sånn at vi klarte å få vedtaket før sommeren. Det var smidighet fra alle hold, og det er utrolig viktig for regionen at vi har fått dette vedtatt før sommeren. Så gratulerer til Ofoten, til Nordland, til Nord-Norge og til landet for Så gratulerer til Ofoten, til Nordland, til Nord-Norge og til landet for øvrig med at vi nå bygger landet! Det er

flere fylkesting og fylkeskommuner og ikke minst enkeltpersoner og næringslivsaktører jobber sammen over lang tid, gir resultater. Det nytter. Hålogalandsbrua vil binde Nord-Norge tettere sammen og forkorte reisetiden mellom regionens største byer med 15–20 minutter. Det var allerede i 1986–1987 ideen om å forkorte reisetiden mellom og året etter ble et interimsstyre satt ned. Bakgrunnen for at kommunen ved Arbeiderpartiets ordfører Odd G. Andreassen tok opp saken var et initiativ fra Ofoten Næringsråd og styrelederen Alf Martin Solvin. Hele tiden har næringslivet stått bak prosjektet, støttet det med lobbying, utredning, godord og midler. Det er bred enighet lokalt. Det har vært helt avgjørende for at vi i dag vedtar prosjektet her i Stortinget. På slutten av 1980-tallet sto det mellom tunnel under eller ny bru over Rombaksfjorden. Allerede da innså man at bompengefinansiering var helt nødvendig for å få på plass et så stort prosjekt. Samarbeidet med Statens vegvesen og Narvik kommune resulterte i 1996 i enighet om å legge tunnelalternativet til side og utrede to alternativer. alternativer. Det ene var ny bru, og det andre var opprusting av veien rundt fjorden – med lang tunnel fra nordsiden av Rombaken til Gjesvik. Mulighetsanalyser som kommunen gjennomførte i 1997 og 1998 er også sentrale milepæler. Disse dokumenterte arealressursene på Øyjord og et betydelig bompengepotensial ved ny bru. Det er et tålmodig og nitid arbeid fra næringslivet og politikere i Narvik og sentralt – som Tor Arne Strøm, Anne Marit Bjørnflaten, Torstein Rudihagen og ikke minst tidligere styreleder i bruselskapet, Kjell Opseth – som nå har resultert i at brua endelig kan bygges. I prosessene som lokalt og fylkeskommunalt har pågått rundt denne utbyggingen, har hele tiden forutsetningen vært at byflyplassen i Framneslia skal legges ned når brua er åpnet for trafikk. Jeg er veldig glad for at disse forutsetningene følges opp av Samferdselsdepartementet og ligger til grunn for de vedtak som Stortinget i dag gjør. Når brua er på plass, vil det være en akseptabel reisetid fra byens sentrum til flyplassen på ca. 40 minutter. Det vil bety store utviklingsmuligheter for stamflyplassen Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Det vil kunne bety flere avganger både nordover og sørover. Brua vil også bety muligheter for nye arealer for både næringsvirksomhet og boliger på Øyjord, en bydel som nå bare blir ei bru unna sentrum. Brua vil ikke minst forbedre transporteffektiviteten for gods i nord. Narvik er navet for gods ut og inn av landsdelen, via vei og tog, og etter hvert via sjø og tog til og fra Narvik. fra Narvik. Hålogalandsbrua, flere kryssingsspor og senere dobbelspor på Ofotbanen er derfor viktig og riktig nordområdesatsing. I tillegg har noen, kanskje optimistiske sjeler, antydet at under byggingen av brua vil nok en del turister finne det interessant å besøke byggeplassen. Ja, det har til og med vært foreslått at dette bør være noe tv-selskapene kunne være interessert i å lage en Arkitektonisk blir dette et flott byggverk, i all beskjedenhet, i et naturskjønt område. Jeg vil avslutte med å gjøre tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsetes ord til mine: Prosjektet Hålogalandsbrua er et av de fremste symbolene på hvordan vi knytter landet bedre sammen. Og til dem som sier at det å bygge bruer i distriktene er dårlig samfunnsøkonomi,

at departementet bruker lokal enighet når man ønsker det, og stort sett overser det når lokale krefter er uenige med departementet. Ett av disse tilfellene er nedleggelsen av Narvik lufthavn. Og hvis dette huset skal tilregne lokaldemokratiet myndighet og makt, noe som statsråden og bl.a. partiet Høyre har snakket om flere ganger, bør man faktisk gå inn for Fremskrittspartiets løsning, for vi ønsker at behandlingen av Narvik lufthavn behandles i NTP 2014–2023. Det er der den hører hjemme. Vi er alle innforstått med at vår flyplasstruktur i Norge blir kryssfinansiert, og at vi kun har noen få flyplasser som går med overskudd. Det nye i denne sak er at nå skal også våre flyplasser være med på å kryssfinansiere broer og veiutbygginger. I praksis vil det fungere slik så lenge Avinor er 100 pst. brukerfinansiert. Forslaget, slik det foreligger i proposisjonen, fjerner enhver tvil om at fra i dag vil flypassasjerene være med på å finansiere Hålogalandsbrua. Det er ikke lenger nok at staten tar nærmere 50 pst. utbytte fra Avinor – nå skal det i tillegg hentes 100 mill. kr fra Narvik flyplass, som alltid har gått med underskudd. Dette er ikke annet enn en ny type brukerstyrt skattefinansiering som er med på å redusere Avinors finansielle krefter. I praksis vil dette medføre at flyplassutbygginger og sikkerhetstiltak ved våre flyplasser vil kunne bli utsatt, for Avinor er i dag på maks lånebeløp av det tillatte. Personlig vokste jeg opp i et arbeiderstrøk og ikke minst i et arbeiderhjem. Jeg fikk tidlig lære at det var dyrt å være fattig. At det er dyrt å være fattig, får vi erfart også i dag, for nok en gang sendes for en helt nødvendig og riktig samferdselsutbygging til Ola og Kari – i dette tilfellet bilisten. Det er så dyrt å være fattig at den stakkars bilisten må betale 1 810 mill. kr for å betale 860 mill. kr. 960 mill. kr i renter og omkostninger forsvinner rett opp i pipa. Jeg erfarer at noen mener at det er økonomisk ansvarlig å bruke 960 mill. kr på å fyre opp for kråkene, men i mine øyne er dette uansvarlig og umoralsk og en direkte utbytting av vår egen befolkning. Dette synliggjør at vi har en regjering som ikke er der for sin egen befolkning – kun for sin egen del. Dette gjelder jo ikke bare regjeringen; Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti har stemt for Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti har stemt for samtlige forslag. Fremskrittspartiet er imot flere skatter, avgifter og offentlige inngrep – la det være klart. Men paradokset er at dagens finansieringsordning er ekstremt dyr. Siden 2005 og fram til årets sommeravslutning har Stortinget vedtatt bompengeveier for 120 Av dette utgjør bompengene 91 mrd. Utover dette skal 21 mrd. kr dekke rentekostnader, og 8 mrd. kr skal dekke innkrevingskostnader. Med andre ord har flertallet på Stortinget pålagt bilistene 30 mrd. kr i unødige kostnader, som har forsvunnet rett opp og ut gjennom pipa. Kan hende kråkene er fornøyd med sløsingen, men de må vel også være de eneste. Statlig fullfinansiering ville enkelt hindret en slik sløsing med andres penger. Dette er ulogisk, ulønnsomt og uansvarlig. Jeg konstaterer at det fortsatt er svinedyrt å være bilist i Norge. Jeg fremmer med dette

gang. Jeg minner om at i gjeldende NTP er dette prosjektet ett av de samfunnsøkonomisk mest lønnsomme. Hålogalandsbrua har betydning langt utover Narviks grenser og har samlet bred støtte på tvers av partier og på tvers av to fylkesgrenser. At prosjektet realiseres som et spleiselag mellom staten og brukerne, er også akseptert av de aller fleste. En samlet landsdel har stått bak forslag om å gi høyeste prioritet til prosjekter for standardheving på E6. Flaskehalsene på denne viktige europaveien er fortsatt mange, og utålmodigheten er stor når det gjelder å sikre Veiprosjektet knyttet til Hålogalandsbrua betyr ikke bare kortere reisevei, men også at en meget ulykkesbelastet veistrekning mellom Narvik og Bjerkvik erstattes av en moderne vei med bedre standard som man kan ferdes trygt på. 18 km spart vil dessuten gi viktige miljøgevinster på en av Nord-Norges mest trafikkbelastede veier. Narvik er, som flere representanter har vært inne på, et av de travleste logistikknutepunktene i nord, der vei og jernbane knyttes sammen. Dette genererer omfattende gods- og næringstrafikk som kommer i tillegg til den øvrige befolkningens bruk av veien. Etablering av flere store engroslagre i Narvik ved enden av Ofotbanen betyr at stadig større godsmengder overføres fra tog til et sterkt økende antall trailere, som forflytter seg videre nordover og vestover langs E6 og E10. E6 fra Narvik og nordover og E10 mot Sør-Troms og Lofoten er i dag også for eksport av store mengder fisk fra fiskeri- og havbruksnæringen. God fremkommelighet er helt avgjørende for at fersk fisk skal kunne nå sine markeder i tide. For en region der jernbanen ikke representerer et alternativ som en parallell til E6, er det desto viktigere at veisystemene har standarder som sikrer åpne veier året rundt, året rundt, og veisystemer som fungerer som effektive sluser av varer fram til kunden, enten det er ut av landet eller internt i landsdelen. Harstad/Narvik lufthavn Evenes er et knutepunkt for luftfart og en sentral stamflyplass for nordre Nordland og Sør-Troms. Den er viktig for befolkningen og minst like viktig for et stadig voksende næringsliv i denne regionen. Likevel er det er faktum at de regionale flyrutene ikke er så gode som ønskelig. I dag deles regionale flyruter mellom Evenes og Framneslia. Jeg legger ikke skjul på at det i regionen både fra politisk hold og fra næringslivshold er en klar forventning i regionen om at realiseringen av Hålogalandsbrua og overføring av regionaltrafikk fra Framneslia til Evenes skal gi et langt bedre flytilbud internt i landsdelen. En forventet økt reiseaktivitet over Evenes vil også legge grunnlaget for en utvidelse av

tap og skader som ikke kan måles i penger. Det er derfor et uomtvistelig faktum at bedre veistandard erfaringsmessig betyr sparte liv og færre skader. Den nye bruforbindelsen med tilførselsveier vil gi en moderne vei av høy kvalitet og vil derfor kunne gi oss store menneskelige gevinster i tillegg til miljøgevinsten med færre kilometer og sparte utslipp fra en betydelig

I likhet med mange andre veiprosjekter og bruprosjekter som er behandlet her i salen, har denne også sin historie, og jeg tillater meg et kort tilbakeblikk. Hva er det som har gjort dette prosjektet mulig? Hvorfor er det blitt prioritert? Og hvorfor er det kommet til Stortinget så pass tidlig i forhold til hva som sto i Nasjonal transportplan? Den aller viktigste grunnen er at trafikken fra Narvik og nordover har økt radikalt de siste 10–15 årene. Den store varetransporten med jernbane fra Oslo til Nord-Norge via Narvik med ARE-toget har økt voldsomt, og Narvik har blitt transportknutepunktet for all varetransport til Nord-Norge nord for Narvik. 80 pst. av denne transporten skjer med jernbane Oslo–Narvik og omlastes til videre transport nordover. Det går en stri strøm med trailere nordover fra Narvik daglig. Det har gjort veien rundt til en flaskehals man ikke lenger kunne leve med. Den andre viktige grunnen er at modige og framsynte lokalpolitikere i Narvik – etter hvert med støtte fra Nordland fylkeskommune – torde å tenke nytt for å få til en framtidsrettet transportløsning. De sa seg villige til å legge den lokale flyplassen inn i og har stått på denne prioriteringen helt fram til i dag. Det har kostet, for det har selvsagt vært lokal motstand mot akkurat det – forståelig nok. Men nettopp denne viljen til å tenke langsiktig og se regionen og landsdelen i et større perspektiv har gitt resultater. Derfor er dette en gledens dag på så veldig mange måter. Lokalpolitikerne i Narvik – som mange andre burde se til – har i så måte vist vei. Det gir resultater å tenke nytt. Beslutningen om å bygge Hålogalandsbrua er et vedtak som går inn i historien som en av de aller viktigste beslutningene for utviklingen av Narvik-, Ofoten- og Sør-Troms-regionen på svært mange tiår. Det vil tegne kartet på nytt og knytte Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms nærmere hverandre, med de ringvirkningene det vil gi for Hålogalandsbrua er da også kanskje det mest samfunnsnyttige veiprosjektet i Nord-Norge målt etter transportsektorens nytte–kost-analyse. I tillegg til de gevinstene vi vil få ved at E6 blir forbedret og forkortet, og at en ulykkesbelastet flaskehals blir fjernet, vil det legge grunnlaget for å styrke varetransporten på jernbane fra Oslo til

det har vi hørt også fra de lokale representantene fra Fremskrittspartiet i Narvik de siste 15–20 årene. De har vinglet mellom det å gå imot brua og det å være for brua etter hvert som vinden har blåst. Poenget er at skulle vi ha hørt på disse rådene, skulle vi tatt det standpunktet til bompenger som Fremskrittspartiet har annonsert også her i dag, hadde vi ikke hatt denne debatten i dag. Da hadde ikke Hålogalandsbrua stått på kartet. Da hadde den ikke blitt bygd. Da hadde vi muligens om fem–seks år debattert opprustning av Rombaksveien og blitt forsinket i mange, mange tiår før vi hadde fått en løsning nordover. Det har vært en politisk linje man i Narvik heldigvis har sett bort fra. Man har tort å tenke nytt, som jeg sa, og man har klart å få til et samarbeid både med fylkeskommunen og med hele landsdelen.

Det vekte stor glede og optimisme. Eg er svært fornøgd med at regjeringa med dette framlegget viser at vi følgjer opp satsinga i NTP om å styrkja infrastrukturen i nord. Det bidreg til at Noreg kan stå fram som robust og konkurransedyktig òg i den internasjonale utviklinga av nordområda. Det er lagt opp til anleggsstart i haust. stå ferdig i 2016. Då vil ho gje store gevinstar for trafikantane som ferdast på E6 i området. Å redusera køyreavstanden mellom Narvik og Bjerkvik med 18 km og å redusera køyretida med 15–20 minutt seier sitt om korleis vi no bokstavleg talt bind landet betre saman

glimrande måte gjort greie for sjølve prosjektet. Lat meg berre seia at når brua over Rombaken blir ei hengjebru på 1 533 meter, blir ho den nest lengste i Noreg. Her er mykje erfaring å henta frå Hardangerbrua, som vil vera ferdig sommaren 2013. Det er inga direkte kopling mellom dei innsparte midlane som følgjer av nedlegginga av lufthamna, og

for bygging av brua og er i tråd med lokale vedtak og avklaringar. Det høyrer med at på denne måten blir Harstad/Narvik lufthamn, Evenes, styrkt som transportknutepunkt for flytrafikken. Eg har merka meg Framstegspartiet si uro for

i Valdres, i Oppland, i Ryfylke og på Nord-Jæren i Rogaland – og no, i denne saka, i Nordland. Det fortel sitt om ei regjering som satsar på samferdsel. Så må eg seia at det er nydeleg å lytta til den lokale historia som kjem fram, knytt til det enkelte prosjekt, og som supplerer desse vedtaka på ein heilt spesiell måte. Eg vil nytta anledninga til å takka Stortinget for ei rask behandling. Det er slik anleggsarbeidet kan koma i gang til hausten. Så vil eg til slutt gratulera befolkninga i Ofoten og heile landsdelen med dette svært viktige prosjektet. Det åpnes for replikkordskifte. Jeg er

for å kunne betale 860 mill. kr, som man krever i bompengeandel. 960 mill. kr forsvinner i renter og omkostninger. Mener statsråden at det er en fornuftig forvaltning av andres penger når halvparten forsvinner?

kveld. Når vi ser opp på galleriet, ser vi at representanter både fra Ofoten-regionen og fra Narvik er til stede for å følge denne debatten. Det viser den interessen man har hatt for dette bruprosjektet i mange år. Det er kanskje litt farlig å gi noen ros. Det har vært en lang vei å gå. Men jeg tror faktisk det er viktig å trekke fram de som har brøytet veien, og da vil jeg bl.a. henlede oppmerksomheten mot tidligere ordfører Odd G. Andreassen og ikke minst også mot en av dem som også var leder i broprosjektet, tidligere samferdselsminister Kjell Opseth. Mye av denne jobben ble gjort i samferdselskomiteen i 2003 eller i 2004 – da satt også undertegnede der – da man fikk inn Hålogalandsbrua som et av de tre store hovedprosjektene i Nordland. Prosjektet E6 Hålogalandsbrua er et godt eksempel på grundig og langsiktig samarbeid. Det gjelder på statlig nivå mellom etater og departement, i Stortinget, i fylkeskommunene Nordland og Troms, mellom kommuner og regioner i nordre Nordland og søndre Troms og ikke minst i vertskommunen Narvik. Det gjelder også Landsdelsutvalget, flere næringsforeninger og fagforeninger på flere nivå. nivå. Da tror jeg ikke jeg har glemt noen. I Narvik kommune har ideen om ny bru en lang historie. Begrunnelsen har vært den svært ulykkesbelastede veistrekningen rundt Rombaksfjorden, rasfare på begge sider av fjorden, en sterkt en sterkt voksende tungtrafikk og ønsket om større nærhet mellom kommunene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms, og ikke minst for hele Nordland og Nord-Norge, som tidligere nevnt. Her i Stortinget har Hålogalandsbrua vært et tema – som jeg sa – siden 2003, og vært omtalt i våre nasjonale transportplaner, sist i den nevnt. Her i Stortinget har Hålogalandsbrua vært et tema – som jeg sa – siden 2003, og vært omtalt i våre nasjonale transportplaner, sist i den som ligger på bordet i dag. Dette er en viktig faktor i utviklingen av Narvik som et sentralt trafikknutepunkt på Nordkalotten. Utgangspunktet er den velkjente og viktige malmtransporten over Narvik havn basert på de rike malmforekomstene i Nord-Sverige, og nå også i Nord-Finland. Denne virksomheten vil vokse kraftig, og derfor er det viktig at denne brua kommer på

Når det gjelder kommunene våre i Sør-Troms, er Narvik den nærmeste og viktigste byen, så dette er et veldig viktig prosjekt også for oss i Troms. Derfor har også Troms fylke prioritert bruprosjektet høyt i sine innspill til Nasjonal transportplan. Det er mange som har nevnt at strekningen i dag er en veldig Det er ekstremt krevende forhold for tungtrafikken, og dette er en strekning som er uhyre viktig for næringsliv og for befolkningen i nord. Ifølge beregninger som Statens vegvesen har foretatt, har strekningen Narvik–Tromsø en godsmengde som er tre ganger større enn alle andre strekninger i Nord-Norge. Også strekningene Narvik–Harstad og Narvik–Sortland har mye godstransport, og det er nettopp nettopp brua over Rombaksfjorden som utgjør stammen eller aksen i dette. Som bl.a. representanten Geir-Ketil Hansen var inne på, vil godsmengden nordover på trailer antageligvis bare øke, fordi vi også har høye ambisjoner om å bygge ut Ofotbanen på bakgrunn av det behovet vi har for å øke kapasiteten for å kunne frakte mer gods på Ofotbanen. Det meste av godset fraktes videre fra Narvik med vogntog, i hovedsak nordover og vestover. Transporten er en vesentlig kostnad for næringslivet i nord når det gjelder både tid og penger, og nettopp derfor er byggingen av den nye brua det mest samfunnsnyttige prosjektet som kan igangsettes i

Dette kommer til å føre til at aktiviteten over flyplassen vil øke. Jeg tror vi kommer til å se langt flere direkteruter fra flyplassen, jeg tror vi kommer til å se en økt regularitet, og jeg tror det kommer til å føre til at det blir langt mer attraktivt enn i dag å benytte I sum tror jeg det kommer til å komme også Avinor til gode, særlig når reisetiden fra Narvik til Evenes nå reduseres med 20 minutter. Jeg vil også veldig gjerne få gratulere alle i nord med dagen – dette er en milepæl. Jeg tar ordet i denne saken fordi dette er

til regionen mye lettere. Det å bygge Hålogalandsbrua og samtidig legge ned flyplassen i Narvik vil styrke lufthavnen på Evenes, slik representanten Aspaker var inne på, og som også statsråden nevnte. Jeg har også tro på at denne styrkingen av lufthavnen på Evenes vil bidra til å bedre flytrafikken internt i landsdelen. Denne store regionen, Nordland og Troms, er inne i en god og positiv utvikling. En av de største utfordringene for næringslivet og privatpersoner i denne regionen er flyforbindelsene mellom de forskjellige delene av Nord-Norge. Jeg ser av innstillingen, og hører i dag, at Fremskrittspartiet også i denne saken demonstrerer sin motstand mot bompenger og dermed en rask realisering av dette viktige prosjektet. Jeg er glad for at Fremskrittspartiet er alene om dette, og at de øvrige partiene på en klar måte sørger for at denne store og viktige regionen i Nord-Norge nå får det løftet som skal til for å utvikle regionen videre. Jeg håper at Fremskrittspartiet tenker over konsekvensene av dette når andre slike saker kommer opp til behandling. Jeg hører ofte at Fremskrittspartiets representanter kritiserer at lite skjer på samferdselssektoren. I dag behandler vi en ny sak som viser at Fremskrittspartiet igjen tar feil i sin svartmaling av de rød-grønne partienes innsats. Derimot frykter jeg sterkt for at gjennomføringstakten ville blitt langt svakere dersom Fremskrittspartiet skulle ha styrt utviklingen. Debattene vi har hørt i dag, bærer tydelig bud om dette, og det vil nok bli lagt merke til i de områdene som er berørt. La oss for all del håpe at Fremskrittspartiet fortsatt forblir i opposisjon. Dette er

løft for hele regionen og for hele landsdelen, som flere har vært inne på i debatten i dag. Jeg er sikker på at det blir en ny tidsregning i dette området. Det blir før og etter bygging av Hålogalandsbrua. Den vil stå som en merkestein for utvikling for framtidige generasjoner i nord. Dette vil bidra til økt optimisme og framtidstro i regionen, og den vil vise for framtiden at på alle nivå tok djerve beslutninger. En slik stor satsing på infrastruktur vil bidra til å knytte byene Narvik og Harstad tettere sammen. Dette vil også bidra til kortere reisevei til Tromsø. Det vil gi nye muligheter for samarbeid i regionen, og det vil bidra til nye muligheter for næringslivet. Aksen mellom Harstad, som landsdelens og Narvik, som teknologisenter, vil få nye muligheter for utvikling og tettere kobling mellom næringsaktører og kunnskapsmiljø som er viktig for utviklingen i nord. På denne måten er Hålogalandsbrua svært viktig både for tilrettelegging, for næringsutvikling og kunnskapsutvikling i landsdelen. Hålogalandsbrua vil også bidra positivt for mulighet til utvikling i kommunene rundt Narvik. Særlig gjelder dette for nabokommunen i nord, Gratangen. Når brua står ferdig, vil det være mulig å dagpendle inn til Narvik, og kommunen er allerede i gang med tilrettelegging for både nye innbyggere og nye næringsetableringer. Det rår stor optimisme i området. Hålogalandsbrua viser at politisk samarbeid i nord gir resultater, som representanten Janne Sjelmo Nordås sa. Hele Nord-Norge har stått sammen om opprusting av E6 og i særdeleshet om bygging av På samme måten som landsdelen har stått sammen om Hålogalandsbrua, er det viktig at landsdelen nå står samlet når en ny Nasjonal transportplan skal utarbeides. Denne planen skal vedtas neste vår, og det er avgjørende at landsdelen samler seg til beste for folk og næringsliv i nord. Dette er

bedre. Det betyr at det ligger nye utfordringer foran de ledende politikerne i regionen. Dette er en region som også har vist evne til samarbeid, som flere i tidligere innlegg har påpekt i veldig sterk grad. Det er gitt ros, som vi har lagt merke til ved denne anledningen. Det er kanskje en dag for å gi ros her til standhaftige politikere som har kjempet i årevis, og som har skjønt at et politisk år varer gjerne i 365 dager. En av dem som har gitt rosen en slags egenerklæring, var saksordføreren – med god grunn. Jeg har lyst til å trekke saksordføreren frem i en anledning som dette, som har fulgt saken fra sin tid i fylkeskommunen, i departementet og nå i Stortinget, og har vist evne til å løfte en sak opp og frem. Jeg vil også gi ros for en rask behandling fra regjeringens og Stortingets side. Dette har bidratt til at man nå kan få fattet de nødvendige vedtak, slik at brua står ferdig i 2016. For Evenes lufthavn vil det åpne seg nye muligheter. Tidligere talere har vært inne på at Statoil utvikler oljebyen Harstad. Det kommer til å bli økt trafikkgrunnlag. Uten at jeg vil bli beskyldt for å være en pådriver, kan mye tyde på at på torsdag vil Evenes få vertskapet for en kampflybase, i hvert fall en QRA. Hvis noe av det som står i proposisjonen stemmer, vil det bli betydelig økt aktivitet også gjennom det. Det gjør at flyplassen får mange flere muligheter, også i nasjonal og internasjonal sammenheng, som et knutepunkt for hele denne regionen. Til slutt: Hvis statsråd Meltveit Kleppa er opptatt av sitt ettermæle før hun må gå av neste år, vil hennes nye, store utfordring bli å jobbe like raskt med å få på plass en proposisjon for finansieringen av dobbelspor på Ofotbanen. Dette er en god opptakt, og jeg er sikker på at hun med dagens eksempel er i stand til å fullføre

økning i tungtransporten i området, og transport med jernbane som går over på trailer, har økt kraftig når det gjelder fiskeprodukter som sendes fra Lofoten og Vesterålen og inn til Narvik og videre med tog. Det er veldig, veldig bra. Jeg synes også det er veldig bra at vi får nye veistrekninger også i Nordland. Men diskusjonen går jo ikke på om man er enig eller prosjektet. Jeg har lyst til å komme med en opplysning for dem som ikke vet det: Lofast, E10, ble altså bygd – og hold dere fast – uten bompenger. Bygging av veier er en statlig oppgave. Det de rød-grønne er i ferd med å gjøre, er å privatisere Når jeg hører på flere av representantene – som Geir-Ketil Hansen og Bendiks H. Arnesen – som har ordet, skulle en tro at man ikke visste at det er i denne sal finansieringen bestemmes. Man kan ikke skylde på andre. Det er vi, gjennom avstemningene her, som bestemmer om vi skal ha bompenger, eller om vi skal bruke av det kolossale overskuddet vi har, til å finansiere veier i Norge. Jeg hørte Hansen si at han var veldig fornøyd med at i både Narvik og her tenkte man nytt. Hvis Hansen ønsker å tenke nytt, kunne man kanskje begynne å finansiere veier uten bompenger, for det måtte jo være noe nytt. Jeg undres mange ganger på hvorfor man ville på Stortinget. Man deltok i valgkamper i Nordland og kjempet om å komme inn på Stortinget. Var det ikke nettopp for at man i denne salen kunne ta avgjørelser om å bygge veier, med de pengene vi har i Norge. Så skal vi altså bruke 960 mill. kr til å betale renter for å finansiere et lån på 860 mill. kr. Hvor er fornuften i det? Det som er enda mye verre, er at den norske stat låner penger til Tyskland til 1,8 pst. rente for å bygge veier, mens vi i dette landet

også å legge flyplassen inn i finansieringspotten, og det har gitt resultater. Vi vedtar Hålogalandsbrua i dag. Hadde vi valgt en annen strategi, protestert for hele verden, slik Kenneth Svendsen og Fremskrittspartiet har gjort, hadde vi ikke behandlet denne saken i dag. Da hadde vi om fem år sannsynligvis diskutert opprustningen av eksisterende vei, som det ville tatt seks–syv år å gjennomføre, og med de problemene og de manglende gevinstene vi har fått i denne regionen. Så derfor – heldigvis – valgte vi ikke den veien. Det andre jeg vil nevne – og det var Ivar Kristiansen inne på i sitt innlegg – er at det har vært den økende transporten på Ofotbanen som har utløst dette behovet, altså den voldsomt økende transporten nordover. nordover. Som samferdselsministeren vet, har vi også uløste utfordringer på Ofotbanen i de fire årene framover som Hålogalandsbrua skal bygges. Jeg skal ikke ta opp en debatt om Ofotbanen. Men det er klart at alt henger sammen med alt, som en tidligere statsminister sa, og det gjelder i høyeste grad den sammenhengen som ligger mellom Ofotbanen, varetransporten på Ofotbanen og Hålogalandsbrua. Så jeg håper inderlig – og det er jeg sikker på at man får til, med den handlekraftige samferdselsministeren vi har – at man også finner en løsning på oppgradering av kapasiteten på Ofotbanen de nærmeste fire årene. Det vil ha stor betydning for de ringvirkningene som vil komme av Hålogalandsbrua. Så skal vi i oppfølgingen av det som Jernbaneverket nå gjør, nemlig å utrede dobbeltspor på Ofotbanen, ta en beslutning når den utredningen foreligger. Det vil selvfølgelig også utløse

egentlig er det vel ingen i salen som støtter Fremskrittspartiet i akkurat denne saken. Så har jeg lyst til å si at det grepet vi nå gjør, er med å bygge opp under det logistikknutepunktet som Narvik allerede er, og det vil styrkes framover. Med de grepene som vi nå gjør ved utbyggingen på Narvik havn fram mot Framnesterminalen, er man også godt i gang med å oppruste den biten når det gjelder jernbane. Ofotbanen blir det neste store grepet, som representanten Geir-Ketil Hansen var inne på. store grepet, som representanten Geir-Ketil Hansen var inne på. Så vil jeg minne om at det nå er viktig at det lokale næringslivet forbedrer seg på å være kontraktdyktig når det gjelder å få tak i de midlene som nå legges på bordet, sikrer seg at man har muligheten til delkontrakter og større kontrakter og kaster seg inn i de mulighetene som foreligger, slik at man får mest mulig igjen av de midlene som

Det er ikke bare enkeltpersoner, det er ikke bare enkeltpartier – at man har stått sammen og løftet i felles flokk, har gjort at man har lyktes med dette på såpass kort tid som man har gjort. Det er det som er viktig, og det er det vi må huske på når vi skal jobbe framover mot Nasjonal transportplan. Vi trenger fortsatt å løfte sammen. Det er da vi når fram. Så fortsatt: Gratulerer med dagen også til dem som sitter og ser på – det er en flott dag å markere

at man her

er jeg sikker